Jeg sier ikke at det er et irrelevant argument, men det er et mangelfullt resonnement, for en er nødt til å se på hvor mange som blir behandlet, og hvor lenge de venter på behandlingen. Ser man på forholdet mellom dem som venter, og behandlingstiden, går den samlede behandlingstiden ned. Det er 1,7 millioner flere behandlinger i norsk helsevesen i dag enn i 2005. Det perspektivet må tas med. Jeg har ikke behov for å kalle representanten Høies forslag for noe som tilhører fantasiens verden. Jeg beskriver et helsevesen som tilhører virkelighetens verden, og som leverer tjenester i verdensklasse. Jeg mener også at i representantens spørsmål etterlyses det samarbeid mellom de private ideelle og det offentlige. Det er denne regjeringen veldig for. Jeg mener at med godt samarbeid får man vekk flaskehalser, man kan rydde opp, og man kan sikre langsiktige pasientforløp. Men det er grunn til på vegne av styring i denne sektoren å si følgende: Forslaget til representanten Høie etterlater, som jeg sa i mitt innlegg, det inntrykk at bare man bruker den såkalte ledige kapasiteten i privat kommersiell sektor, vil køene og ventetidene forsvinne. Det tror jeg er en illusjon i denne sektoren, med de behovene som ligger der. Og, som jeg sa: Dette er ikke en kapasitet som bare er der ubrukt, den kommer fra et sted. I representantens egen region, Stavanger, møtte jeg plastikkirurgene på sykehuset. Det er to på sykehuset, det er flere ute i det private. Det viser hvor sårbart det offentlige helsevesenet er for private tilbud, som lokker viktig fagpersonell ut. Det er vi ikke tjent med.

dødssyke pasienter eller ansatte som er bekymret i forbindelse med omstilling. Men når fokuset bare blir det, blir bildet man tegner, veldig skjevt. Jeg mener formen og krisemaksimeringen Høyre nå bruker for å svartmale helsevesenet, er under enhver kritikk, men jeg skjønner nå hvorfor. Høyre må skape seg en politisk bunnplanke for å lansere sine egne radikale endringer, og Høyres nye helsepolitikk betyr definitivt store endringer hvis de blir gjennomført. Derfor gleder jeg meg også til valgkampen. Når man ser så tydelige forskjeller i politikken mellom oss og deler av opposisjonen, snakker vi om et tydelig retningsvalg man skal ta høsten 2013. Høyre er stadig forarget på regjeringen for at flere bruker private helseforsikringer – grunnen er granngivelig folks misnøye. Men en undersøkelse som ble lagt fram på Spekter denne uken, slo fast at de aller fleste som har fått behandling i norsk helsevesen, er fornøyd. At regjeringens politikk fører til et klassedelt samfunn, er en Vi setter pris på engasjementet fra Høyre om klassedeling, men vi tror ikke på dem. Helseministeren sa i sitt innlegg at i Norge utgjør helsetjenester betalt av forsikringer kun 0,14 pst. målt i kroner. Det kan neppe kalles klassedeling. Folketrygden er, og skal være, den beste forsikringen folk i Norge trenger. Vi trenger ikke en helsetjeneste der innbyggerne kan supplere tilbudet med lommeboka si. Jeg er redd for at Høyre med sin retorikk bidrar til å skape et feilaktig inntrykk, at helsetjenesten ikke fungerer, til tross for at vi har en helsetjeneste som er trygg og leverer i verdenstoppen. Høyre snakker om rasjonering av helsetjenester som om vi befinner oss på 1950-tallet. Jeg vil bare understreke at vi har en fri og gratis helsetjeneste til absolutt alle innbyggerne i dette landet, og de tjenestene er i stadig utvikling til Høyre vil gi fritt behandlingsvalg til alle, betalt av felleskassa, helt uten det de kaller rasjonering. Min konklusjon når det gjelder deres bruk av begrepet rasjonering må være at de skal ha et uprioritert helsevesen, hvor det offentlige ikke lenger foretar en avveiing av hvilke pasienter som faktisk trenger hjelp først, og det i et system hvor det ikke eksisterer ubegrensede ressurser økonomisk, siden alle med en eller annen diagnose – farlig eller ufarlig – utløser Dette er oppsiktsvekkende. Høyre ønsker altså, om de skulle komme i posisjon, med åpne øyne å gi fra seg muligheten til økonomisk kontroll over helsetjenestene. De ønsker å overdra prioriteringen til et privatkommersielt marked, der prinsippet er: Alle skal få som de ønsker. I tillegg gir Høyre med dette fra seg muligheten til å styrke fagutviklingen i den offentlige helsetjenesten. Konsekvensen vil være at ressurser – faglige og økonomiske – dras ut av det offentlige for å bygge opp de kommersielle. Det er pengene, ikke pasientene, som settes i høysetet. Slik skal vi ikke ha det. Vi skal styrke og videreutvikle fellesskapets sykehustilbud ytterligere, ikke svekke det til fordel for privat og kommersielt marked. Høyre har sagt at de vil legge ned de regionale helseforetakene. Sist mandag la Spekter fram resultater etter ti år med regional styring. Hovedkonklusjonen er at sykehusene og regionene leverer svært gode resultater, både på behandling, økonomi og regional helhetlig planlegging, og at vi med dette har gått fra å være middels på overlevelse med alvorlig sykdom til å bli blant de beste i verden. Høyre hevder retorisk at de har de nye og de beste løsningene, men mange av deres forslag er prøvd før i andre land – uten nevneverdig hell. Man kan si at det er gamle og dårlige løsninger man nå foreslår. Den eneste logiske forklaringen på forslagene fra Høyre og deres retorikk rundt disse spørsmålene er at de vil danne politisk grobunn for en for en storstilt privatisering av vår egen velfungerende helsetjeneste. Sykehusene – med de ansatte – trenger ikke nye, store omorganiseringer nå. De skal fortsette å skape resultater for pasientene. Samfunnet trenger en helsetjeneste som er i stand til å prioritere de riktige pasientene til riktig tid. Det er det først og fremst en offentlig helsetjeneste som kan klare. Vi skal styrke og forbedre, ikke dele opp og svekke helsetjenesten. Jeg mener Høyre med dette forslaget er på ville veier, og jeg mener inderlig og sterkt at pasientene og nasjonen ikke trenger Høyres helsepolitikk.

i tolkningen til statsråden og enda mindre i tolkningen til representanten Breen, som akkurat var på talerstolen. Jeg skal ikke kalle det fantasi, men at deres tolkning av dette forslaget og vår politikk ikke stemmer overens med vår egen, tror jeg man må leve med. Bakgrunnen for interpellasjonen – sett med Fremskrittspartiets øyne – har med det kraftige misforholdet mellom økte ventelister, lengre ventetider og et inntrykk av en motstand mot private løsninger å gjøre. Jeg vet at det offentlige bestiller private og ideelle tjenester for ca. 11 mrd. kr hvert år. Det er viktig at vi hver gang vi diskuterer dette, også slår fast at veldig, veldig og at de som jobber i helsevesenet, gjør en kjempejobb hver eneste dag. Det ser ut som at ventelistene går noe ned, og det ser også ut som at ventetidene går ned på noen diagnoser. Det er riktig som statsråden sier, at vi behandler 1,7 millioner flere i norsk helsevesen, men vi er også flere mennesker, folk lever lenger, og det er flere diagnoser. Jeg tror det vi alle må gjøre, er å erkjenne at vi som er opptatt av å gjøre norsk helsevesen bedre, er ikke bare opptatt av å svartmale, men vi er nødt å se på det som ikke fungerer, for å gjøre noe av det bedre. Da må man se på kø og ventetider, og da kan dette med fritt behandlingsvalg være én løsning blant flere som kan bidra til dette. Vi bør alle kunne være enige om at private løsninger i norsk helsevesen finansiert av det offentlige er et helt nødvendig supplement, og at uten dette hadde norsk helsevesen vært enda verre stilt. Jeg håper at vi i denne sal kan være enige om at det private supplementet også må bli benyttet om vi skal få helsekøer og ventetider ned. Helsestatsråden skrev på sin Facebook-side i dag at han gledet seg til debatten. Der kommer han med noen typiske debatteknikker – som jeg også opplevde han gjorde her i dag – med påstander om at interpellanten, eller vi i opposisjonen, for den saks skyld, mener noe vi ikke mener, for deretter å argumentere mot det. For eksempel slår han fast at Arbeiderpartiet mener at det offentlige må ha ansvaret for å prioritere pengene til sykehus, og at det er det beste for å sikre et likeverdig tilbud til pasienter i hele landet – som om opposisjonen skulle være uenig i dette. Det er og har alltid vært et ståsted for alle politiske partier i denne sal at det er et offentlig ansvar å finansiere et fullverdig helsetilbud i Norge, og at alle skal sikres et godt, likeverdig tilbud uansett hvor de bor, sosial status, Statsråden har også slått fast – på Facebook og fra talerstolen i dag – at i et lite land må vi ta godt vare på ressursene til de offentlige sykehusene og ikke svekke fagmiljøene. Vi må få til en bedre organisering av behandlingen for å kunne behandle flere bedre og sikrere. Vi er helt enige – jeg tror ingen i denne sal er uenig i det – og da bør man ikke fremstille det som at vi er uenig i det. Det å utnytte supplementet – som de private og ideelle er utarmer ikke helsevesenet, snarere tvert imot. Det bidrar til å få ned køer, det bidrar til å få ned ventetider og er også et faglig godt supplement. I noen tilfeller har de private og ideelle også faglig vært i forkant. Det er vel nok å nevne Feiringklinikken med sitt faglige miljø, som brakte ballongteknikken inn til Norge for behandling av tette blodårer, noe det offentlige i dag benytter i stor, stor grad.

hvor mange av dem som fikk hjelp via HELFO, og hvor mange av dem fikk hjelp i de private eller ideelle. Tallene viser faktisk at det var kun 1,4 pst. av disse som fikk hjelp i norsk helsevesen, og det var i Norge – ingen av dem i utlandet.
kan fortelle at det var Høyre og Fremskrittspartiet som i budsjettbehandlingen under Bondevik I i 1998 fremmet forslag om Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet var svært skeptiske til den rettigheten, men de stemte motvillig for. Det var Stoltenberg-regjeringen som måtte gjennomføre det, men det var på bakgrunn av Stortingets vedtak – bare så det er på plass. Jeg synes det er en real sak at Høyre og Arbeiderpartiet er uenig i sak, men da får vi diskutere hva vi er uenige om, og ikke at enkelte her oppkonstruerer et bilde av Høyres politikk som ikke er riktig. Det er faktisk uredelig. I dag er det riktig, som representanten Høie sa, at regjeringen rasjonerer ut hjelp til pasienter som står på venteliste. Det offentlige kjøper bare et visst antall plasser av det private, og denne kvoten blir så delt ut til til de heldige pasientene. I Dagens Medisin, f.eks., kan vi i dag lese om Feiringklinikken, at det er manglende kapasitet ved Oslo universitetssykehus, mens det er ledig kapasitet ved Feiringklinikken. Høyre ønsker et system som gir pasientene rett til å velge mellom å få behandling hos offentlige eller private institusjoner når de er gitt retten til behandling. Det er ikke slik som Arbeiderpartiet sier, at prioriteringen av pasienter overlates fra demokratiet til markedet. Det er det samme filteret i vårt system som i dagens, at medisinsk henvisning og behov for behandling er på faglig grunnlag. grunnlag. Det må selvsagt være en grundig godkjenning av kvalitet og være underlagt forsvarlighetsgrad i de institusjonene som kommer med i en slik ordning. Det er altså ikke flere pasienter som trenger behandling, men de vil få behandling raskere. Å ha pasienter ventende i en lang behandlingskø er ikke et godt prioriteringsmiddel. Det er dyrere for samfunnet, og det er ikke minst belastende for den enkelte. Det er neppe riktig, slik representanten Breen var inne på, at dette vil tappe det offentlige for fagfolk. Det er av flere grunner, men ikke minst fordi mange av dem som jobber ved private sykehus i dag, allerede jobber ved offentlige sykehus. De kombinerer det – de jobber i sin i Eidsvoll, eller ved Tromsø Private Sykehus, som jeg besøkte i forrige uke. Mange dyktige leger hentes ofte fra utlandet, og leger går ikke bare etter lønn. De vil også ha faglige utfordringer, og det får de ved å jobbe på den måten. Kapasiteten og kompetansen vil øke totalt på ventetiden og behandlingskøene vil gå ned, og pasientene blir friske, og kommer seg tilbake til jobb, og det er, som jeg sa, bra for den enkelte og bra for samfunnet. Det handler jo først og fremst om pasientene. Vi vil gi dem valgfrihet, vi vil gi dem rettigheter, og vi vil la alle pasienter – uavhengig av økonomi – få rask tilgang til operasjon, både hos private, hos ideelle og selvfølgelig i det offentlige. Vi mener at en slik ordning også må gjelde innen rus og psykiatri. innen rus og psykiatri. Dette er jo et problem ikke minst innen rusbehandling. Mange ideelle og private, gode tilbud blir redusert eller lagt ned, til tross for at det er mange pasienter som ønsker seg plass hos dem, og de har også

og det er med forundring jeg ser at Høyre i dag bekymrer seg for noe som de for få år siden ønsket seg, nemlig mer private helseforsikringer. Det synes jeg er vanskelig å få til å gå opp. Jeg tror at forslaget om såkalt fritt behandlingsvalg vil bli en av de store diskusjonene i den valgkampen vi går inn i, for ved siden av Høyres forslag om skoleprivatisering er dette i praksis et forslag om omfattende privatisering av det norske helsevesenet, og det vil være en av de mest dramatiske samfunnsendringene høyresiden ønsker å gjennomføre hvis det skulle bli et regjeringsskifte. Jeg mener det er på sin plass å stille interpellanten en del spørsmål som kan klargjøre den videre debatten rundt alternativene i helsepolitikken. For det første: Hvem styrer egentlig pengene i Høyres modell med fritt behandlingsvalg? Det er ikke mulig både å si at det skal være en automatisk rett til å få en gitt behandling ved et hvilket som helst privat tilbud, og si at det offentlige skal styre prioriteringene etter andre kriterier. For det andre: Hvem vil egentlig få hjelp – når vi vet det er slik at noen pasienter er lønnsomme, og andre ikke er det, at det er noen typer diagnoser som det er mer sannsynlig at private og kommersielle aktører vil og andre som ikke er det, når vi vet det er slik i norsk helsevesen at de som kjenner sine rettigheter, får mer hjelp enn de som ikke gjør det? Jo mer vi legger opp til et system à la det Høyre ønsker seg, jo sterkere vil denne tendensen bli, og jo mer vil dermed klasseskillet i helsevesenet øke. For det tredje: Hva blir igjen i Jeg hørte siste taler si at flere leger skal jobbe dobbelt, men det er jo en kjensgjerning at selv om du etablerer flere kommersielle tilbud, blir det ikke flere leger og sykepleiere i Norge, akkurat som helseministeren sa. Det betyr at en omfattende utbygging av et kommersielt tilbud må gå på bekostning av kapasiteten i det offentlige. For det fjerde: Hvordan unngår vi at lommeboken betyr mer? Hvis målet er at lommeboken skal bety mindre, er det systemet Høyre foreslår, et ulogisk system. For når vi først etablerer stadig mer omfattende kommersielle tilbud, vil det selvfølgelig også medføre et større omfang av tilbud rettet mot dem som har lommebok til å betale for det – og dermed også en større klassedeling i helsevesenet. Og for det femte: Hvordan skal vi unngå at det systemet som Høyre nå ønsker seg, fører til mer byråkrati? Vi vet at med denne typen løsninger kreves det også et omfattende system for bestilling og rapportering – og dermed en ny omdreining på det vi ikke ønsker oss mer av, nemlig at vårt helsepersonell bruker for mye tid på papirer og dermed for lite på pasienter.

ressursene. Det viser at når det i de debattene vi stadig har her i Stortinget, gjentas fra høyresiden at valget handler om gjennomføringsevne, er det feil. Valget handler om et veivalg, ikke minst innenfor helsesektoren. Det handler om hva slags velferdsmodell vi skal ha i årene framover, og denne debatten viser at SV og Høyre vil i helt ulike retninger.

MR, CT og ultralydundersøkelser. Disse undersøkelsene utføres allikevel fortsatt, men kun ved at pasienten betaler for undersøkelsen selv.» Moren kunne altså få time til sin datter dagen etter, men bare ved selv å betale denne behandlingen. MR av rygg koster over 4 000 kr, ifølge moren – jeg har ikke sjekket det. Dette er penger vi ikke kan forvente at alle kan bruke for å få nødvendig helseoppfølging. Dette er ett eksempel på at helsetjenester privatiseres, og at helsetilbudet klassedeles. Mor står da med valget om å kjøpe tjenesten til datteren sin eller å la datteren gå med smerter i flere uker. I en slik situasjon, og kanskje spesielt når det gjelder barn, vil de fleste velge å betale selv – men bare dersom de har råd. Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over denne Det offentliges rasjonering av timekjøp hos private fører til at mange kjøper nødvendige helsetjenester med egne midler. Det skaper en utvikling mot en klassedeling av helsevesenet, som også interpellanten skriver i sin interpellasjon, en klassedeling hvor de med mest midler kan få time på dagen, mens de uten slike muligheter må vente. For å sette det på spissen, så opphører det offentlige helsetilbudet i oktober–november, men mindre private helseinstitusjoner har rasjonert de offentlig tildelte timene jevnt utover året. Avslutningsvis: Jeg er Avslutningsvis: Jeg er av den oppfatning at vi har et godt helsevesen i dette landet. Likevel må det være lov å ta opp ting som ikke fungerer, og som definitivt kan bli bedre. Dagens interpellasjon avleder følgende hovedspørsmål: Er

nemlig utdannelse, arbeidstilknytning, etnisitet og geografi, for å nevne noen momenter. Men dét snakker Høyre sjelden om, naturlig nok, fordi de ikke har noen god politikk for å ta tak i slike forhold. Så til et par påstander: Ifølge interpellanten er det to forhold som indikerer det han kaller klasseforskjeller i helsevesenet. Det ene er at stadig flere kjøper private helseforsikringer, og det andre er at stadig flere enkeltpersoner kjøper egenbetalte helsetjenester. Når det gjelder Høyres syn på private helseforsikringer, er det i ferd med å utvikle seg til den reine farsen, med interpellanten i en bærende rolle. For kort tid siden proklamerte nemlig representanten Bent Høie at det ikke skulle være nødvendig med private helseforsikringer i Norge. Det han ikke sa, at den borgerlige regjeringa, med en finansminister fra Høyre i spissen, i 2003 innførte skattefritak for bedriftskjøp av private helseforsikringer – altså en rein oppmuntring til en atferd som ifølge interpellanten ikke skulle være nødvendig. Til alt overmål var innretninga på denne skatteordninga slik at den har vist seg først og fremst å komme sjefer og andre høytlønte til gode; relativt unge, friske folk og selvfølgelig flest menn ikke akkurat en strålende politikk for å motvirke klasseforskjeller. Heldigvis fjernet den rød-grønne regjeringa denne tvers igjennom usosiale skattefritaksordninga i 2006. Og sjøl om det også i vårt land tegnes flere helseforsikringer, ligger vi et godt stykke unna våre nordiske naboer, og det er relativt få individuelt tegnede forsikringer i Norge. og det er altså ingen signifikant forskjell i sykmeldingsgrad mellom bedrifter som har, og som ikke har, forsikringer. Interpellanten påstår videre at det har vært en markant vekst når det gjelder kjøp av helsetjenester betalt av egen lomme. Det er en påstand som mangler grunnlag i forskningsbasert kunnskap. Vi har faktisk lite data på dette. Men SINTEF har gjort en undersøkelse som tyder på at mye av det økte private kjøpet vi kan se, dreier seg om en type helsetjenester som ikke er en del av sørge for-ansvaret i det offentlige helsevesenet. Det kan dreie seg om ulike behandlingsmetoder som ikke betales av det offentlige, som f.eks. kosmetiske operasjoner og tjenester, og en del andre tilbud som vi etter hvert har fått en del av i Norge. Økt bruk av egne penger til helse, mener forskerne, har ikke minst å gjøre med at vi som bor her i landet, etter hvert har fått god råd – vi bruker mer på eget velbefinnende, også helse. En tredje påstand fra dagens interpellant er at den rød-grønne regjeringa «rasjonerer» bruk av private aktører innenfor helsevesenet. Du slette tid! Det er jo Høyre som står for rasjoneringa av de offentlige helsetjenestene. Høyre vil ta ressurser fra offentlig helsesektor og overføre til private. De regionale helseforetakene kjøper i dag helsetjenester fra både kommersielle og private ideelle. Disse aktørene leverer viktige tjenester som utgjør et svært godt supplement. Men det er det offentlige helsevesenet som må være hovedleverandør av helsetjenester til det norske folk. Høyre tar nå til orde for ekstremvarianten av privatisering. Fritt etableringsvalg av sykehustjenester med rett til å sende regninga til felleskassa betyr rett og slett at det offentlige ikke kan legge inn noen form for bestillinger til de private aktørene som vil etablere seg. Med andre ord: Store internasjonale helsekonsern med adresse skatteparadis kan slå seg ned der de sjøl vil, behandle de pasientene de sjøl velger, uten avtale med det offentlige på forhånd, mens regninga går til fellesskapet. Da har vi en situasjon der forbindelsen mellom bruk av offentlige helseressurser og politisk vedtatte fordelinger mellom pasienter og regioner er brutt. Det er et helsevesen jeg ikke ønsker meg. Til alt overmål viser all erfaring at dette systemet ikke fungerer i de land som har prøvd. I Danmark, hvor de borgerlige satte dette i system, er man nå svært bekymret for at den utstrakte bruken av private sykehus har økt helsekostnadene drastisk. Behandlingskøene øker også i Danmark, og det går nå en debatt om at man ser en tapping av ressurser fra offentlige sykehus, og bruken av private helseforsikringer er rekordhøy. Interpellantens bekymring for det klassedelte helsevesen er dobbeltmoral av verste merke. Høyres beger for krokodilletårer var før denne interpellasjonen allerede fullt – nå skvalper det over i alle retninger, og det er ikke noe hyggelig syn.

Gode visjoner kan skape gode liv når vi har kraft og strekker oss. Gode mål har rot i sterke, bærende ideer, og vår suksess er avhengig av at vi kan nå alle mål som hører sammen. Politisk debatt om likeverd og rettferdighet i helse er mye en debatt om å nå flere mål samtidig, til forskjell fra å nå bare ett godt mål og samtidig volde skade på et annet.

Derfor er vi ikke dogmatiske i synet på offentlige og private helsetjenester, men vi legger til grunn at fellesskapet må styre. Det er bare fellesskapet som kan styre helhet i et demokrati, men i gjennomføringen vil vi ha de beste praktiske løsninger med det krav at løsningene hver for seg ikke øver vold mot tilhørende bærende ideer. Høyresidens ønskedebatt er Arbeiderpartiet og allergi mot private løsninger. Den debatten møtes av fakta. Fastlegetjenesten er for praktiske formål privatisert, avtalespesialister står for en stor del av poliklinikktjenestene, billeddiagnostikken leveres for en stor del av private. Private ideelle sykehus har store oppgaver som del av en organisert spesialisthelsetjeneste. Vi bruker, som det er sagt tidligere, 11 mrd. kr her. Dette er ikke et mål i seg selv, like lite som det er et mål i seg selv å la være. Jeg mener Fremskrittspartiet over tid har hatt helt stabile synspunkter på verdivalg og organisering av helsetjenesten som jeg er klart uenig i. I mange valgkamper har tidligere partiformann, Carl I. Hagen, formulert at helsetjenester skal være som service på bilen, hvor du velger verksted, samtidig som regningen skal sendes til staten. Det er mulig Høyre lenge har vært enig i dette, i så fall uten å gjennomføre i den tid Bondevik var statsminister, og budsjett kunne forlikes med Fremskrittspartiet. Men mer sannsynlig har Høyre inntatt dette ståstedet nå. Politikken kan velge å avgi sin styring. Et frislipp av private helsetjenester, brått eller gradvis, flytter makt fra Stortinget og over til økonomiske krefter, som innebærer sentralisering, mindre forebygging, mer spesialisert reparering, mer byråkrati og mer marked. Det følges ikke av bedre kvalitet. Interpellanten trekker fram at det er ledig kapasitet i det private helsemarkedet. Her er svaret både ja og nei. Ja, lokaler kan brukes en større del av døgnet, ja, det kan bygges nye lokaler, og ja, det finnes sikkert mye privat kapital som vil satse dersom politikken avgir sin styring. I Sverige betrakter investorer helse og omsorg som et område med usedvanlig god fortjenestemargin. Men svaret er entydig nei når vi kommer til den viktigste innsatsfaktoren, utdannet og kompetent helsepersonell. Det blir ikke mer helsepersonell av å privatisere, men sannsynligvis vil flere flytte fra Distrikts-Norge og til klinikker i byene. Det blir mindre prioritering av å privatisere, fordi profitt er raskere ved operasjon av moderate åreknuter enn ved å hjelpe pasienter som trenger krevende rehabilitering. Avslutningsvis: Interpellanten sa i sitt innlegg at Arbeiderpartiet rasjonerer på helsetjenester. Rasjonering er for mange et negativt ladet uttrykk. Jeg mener i denne sammenheng at mye dekkes av ordet prioritering, og jeg tror interpellantens partikollega Inge Lønning er glad for at han ledet prioriteringsutvalgene og ikke rasjoneringsutvalgene. Takk til interpellanten for å fremma ein interessant politisk debatt. Eg registrerer at Høgre er Takk til interpellanten for å fremma ein interessant politisk debatt. Eg registrerer at Høgre er bekymra for utviklinga av eit klassedelt helsetilbod og helsekøar. Eg har først lyst til å seia at eg synest det er eit lite paradoks at Høgre er så opptatt av helsekøar og så lite opptatt av å førebygga helsekøar. I sitt alternative budsjett har dei òg kutta ut ordninga med frukt og grønt til alle alle skuleelevar. Tysdag denne veka gav dei i ein debatt i Stortinget beskjed om at dei ikkje vil arbeida for ein times fysisk aktivitet kvar dag i skulen. Dei har foreslått å endra alkohollova, slik at alle kommunar skal kunna skjenka alkohol døgnet rundt. For å seia det slik: Det er jo dette som er den største trusselen med omsyn til eit klassedelt helsevesen, for fritt behandlingsval vil ikkje retta opp i skadane ved å ha ein fråverande helsepolitikk. Det offentlege helsevesenet skal vera berebjelken i helsetenesta. Det er berre ei berekraftig og kraftfull offentleg helseteneste som vil kunna skapa eit likeverdig tilbod for alle. Private tilbydarar skal vera eit supplement, og det skal vera styrt av det offentlege. blir brukt i stort omfang i dag, og det er bra. Vi har høyrt fleire eksempel på det i tidlegare innlegg. Å innføra fritt behandlingsval vil vera eit brot på ein lang og god tradisjon i Noreg for å ha eit behovsstyrt helsevesen og vera ein garantist for ei meir rettferdig prioritering av Å innføra fritt behandlingsval vil bety innføring av eit meir marknadsstyrt helsevesen, noko som er heilt malplassert i eit 100 pst. offentleg finansiert helsevesen, men som passar i eit forsikringsbasert helsevesen, noko som vi heldigvis ikkje har i Noreg. Fritt behandlingsval vil ikkje bety at det er dei svakaste pasientane som blir prioriterte, som representanten Høie sa i sitt innlegg. Det vil kunna føra til det motsette. Riksrevisjonens rapport om fritt sjukehusval påpeikte nettopp desse slike ordningar. Det er dei mest ressurssterke, dei med høgast inntekt og utdanning som brukar ordninga mest. Fritt behandlingsval vil altså kunna føra til eit meir klassedelt helsevesen, og ikkje det motsette. Det er òg eit paradoks at Høgre i veldig mange saker og debattar berre er oppteken av dei 30 pst. av døgnopphalda som gjeld planlagde innleggingar, og ikkje av dei 70 pst. av døgnopphalda som gjeld øyeblikkeleg hjelp. Eg meiner at det er ein fare for pasientsikkerheita og kvaliteten på dersom fritt behandlingsval, som Høgre foreslår, skal få tappa det offentlege sjukehusvesenet for kvalifisert personale, der sjukehusa skal jamstillast og konkurrera og vera tilbydarar i eit marknadsstyrt og Så har eg lyst til å visa til eksempel frå kommunar. Mange høgrestyrte kommunar har innført det same. Det gjeld fritt val av heimesjukepleie. I Bergen kommune er dette innført. Der er det ingen gode erfaringar med det. Dei private, som er tilbydarar, får det ikkje til å bli lønnsamt. Etter det eg kjenner til, er det no berre ein privat tilbydar igjen. Denne tilbydaren har attpåtil fått fritak for å tilby teneste på natta. Kva betyr det? Jo, at det er dei svakaste, dei sjukaste eldre pasientane som likevel må bruka det offentlege. Høgre burde jo lært av erfaringane med fritt val av Det er ei ordning som kan trua det offentlege tilbodet og utfordra kvaliteten på tilbodet til dei svakaste. Høgre seier at auka private tenester skal finansierast av det offentlege, og dei vil ha meir offentlege pengar til private sjukehus. Eg vil faktisk rosa Høgre, for det er ganske genialt – i mange budsjett har dei gjort stor suksess med å resirkulera offentlege sjukehuspengar ved å øyremerka dei til private formål og framstilla det som ein Men det bidreg jo ikkje til vekst eller mindre klassedelt helsevesen. Det bidreg til å svekka det offentlege helsevesenet, og det er ei farefull utvikling. Heilt til slutt: Det er i media no reist veldig viktige prioriteringsdebattar. Eg har ingen tru på at sterkare konkurranse mellom private og offentlege tilbydarar, private og offentlege sjukehus, vil føra til ei rettare prioritering i helsetenesta, men heller til det motsette.

men er nødt til å skape et skremmebilde av den politiske motstanderens alternativ for i det hele tatt å være i stand til å argumentere imot det. Vi setter spørsmålstegn ved motivene. Jeg er ikke i tvil om at Arbeiderpartiet, på samme måte som Høyre, ønsker et helsevesen med lik tilgang for alle, uavhengig av økonomi, og ønsker at helsevesenet skal være finansiert av det offentlige Norge. Det er det tverrpolitisk enighet om i Norge. Det vi er uenige om, er med hvilke virkemidler en best når de målene. Så mener jeg at det er ganske interessant at Arbeiderpartiet ikke i det hele tatt virker bekymret for at syv år med deres virkemidler har beveget oss i en annen retning enn det som er det felles politiske målet, for de prøver å skape et inntrykk av at salget av private helseforsikringer ikke har noen betydning. Vel, 27 pst. av Storebrands kunder innen privat helseforsikring har siden 2011 brukt helseforsikringen for å få nødvendig helsehjelp siden 2011 brukt helseforsikringen for å få nødvendig helsehjelp – 27 pst. Den største private aktøren innen helse i Norge sier at innen nødvendig helsehjelp er det nå et større marked som betaler av egen lomme enn det de til sammen selger i forhold til de offentlige sykehusene og til forsikringsbransjen, og økningen har vært radikal de siste årene. Hadde jeg vært politiker fra Arbeiderpartiet, hadde jeg vært veldig bekymret for den utviklingen, for dette er en utvikling som fører mot at de menneskene som har god økonomi – som også er dem som i all hovedsak finansierer velferden vår ved å betale skatter og avgifter – i større og større grad nå betaler for helsetjenesten privat. Da er det grunn til å stille seg spørsmålet: Hvor lenge er denne delen av befolkningen villig til å betale både for helsetjenesten over skatteseddelen og over lommeboken og forsikringen? Jeg tror det er ekstremt viktig at vi som folkevalgte tar på alvor denne utviklingen, og sørger for at en beholder en solidarisk modell i Norge der en betaler skatt etter evne, men får helsetjenester etter behov, definert av det offentlige. Derfor ønsker Høyre at det er det offentlige som skal prioritere hvilke pasienter som skal få rett til behandling. Men når en er gitt rett til behandling, burde det være sånn at en kunne fått velge mellom de offentlige og de private tilbudene. Representanten Tendens historie er en veldig god illustrasjon på hvordan dette gradvis undergraves gjennom at folk opplever dette i hverdagen. Når de fleste av oss etter hvert har en ganske god privatøkonomi, er veien veldig kort til å betale dette selv. Høyre har nye løsninger. Vi har andre ideer om hvordan en skal ivareta disse viktige verdiene, som jeg mener det er tverrpolitisk enighet om. Men jeg registrerer at Arbeiderpartiet bruker tiden på å angripe våre løsninger istedenfor å presentere alternative løsninger. La meg si tilbake til representanten Høie: Jeg tviler ikke på at Høyre vil vel for norsk helsevesen og norske pasienter. Men Høyre er veldig tydelig på rollen private, kommersielle Det er feil at ikke Arbeiderpartiet fremmer nye forslag. Vi gjør det hele tiden. Blant annet vil 500 000 nå få rettigheter til behandling med de reformene vi har foreslått i pasientrettighetsloven. Det vil føre til at HELFO kommer til å bidra til å avskaffe fristbrudd fordi de innen fristen nå skal fremme et tilbud aktivt overfor pasientene, enten det er mot privat eller mot offentlig. Vi fremmer forslag til forbedringer hele tiden.

hvor det nye er at Høyre har sluttet seg til Fremskrittspartiets tenkning om et fritt brukervalg i det øyeblikket behovet er identifisert. Jeg kan ikke se, hvis det er automatikk i det, at det skal kunne gjennomføres uten at det får konsekvenser for budsjettene, at de da nærmest går ut av kontroll. Representanten Høie sa at den ene institusjonen som ikke fikk anbud hos Helse Sør-Øst etter at Helse Sør-Øst bruker 100 mill. kr mer på å inngå avtaler med 19 institusjoner, kunne bare ha fortsatt under Høyres modell, og det offentlige ville betalt dersom noen ville bruke den tjenesten. Enten vil det få en stor økonomisk konsekvens, som vi ser det over hele fjøla når det gjelder etterspørsel etter helsetjenester, eller så må det bety at pengene må flyttes fra det Der ligger det en saklig uenighet om konsekvensene av dette tilbudet. Jeg er urolig for at et norsk fagmiljø med små miljøer som vi må hegne om, hvor det offentlige alltid vil ha utfordringer for å ivareta forskning, utredning, de tunge og kompliserte oppgavene, da vil bli lidende. Representanten Olsen sa det ganske godt. Vi er enige om at det offentlige har ansvaret for å prioritere. Så trekker han slutningen ved å si at det ivaretar vi ved at det offentlige har ansvaret for å finansiere. Men der ligger forskjellen, for det er ikke bare det at det offentlige har ansvaret for å finansiere, det offentlige har også ansvaret for å prioritere bruken av ressursene, sørge for at fagmiljøer holdes på plass, sørge for at det er likeverdige tilbud over hele landet, og ikke det jeg vil kalle en subsidiert etablering av et privat marked, hvor det neste trinnet, som mine meddebattanter har pekt på, vil være at det kommer tilbud hvor lommeboka virkelig får den tellende rollen. Jeg mistror ikke representanten Høies motiv for forslaget, som jeg er helt sikker på er motivert av ønsket om at det er bra for helsevesenet og pasientene. Jeg tror bare det er en dårlig løsning, og jeg tror det er et brudd med en tradisjon i norsk helsepolitikk. Debatten i sak nr. 7 er dermed avsluttet. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og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

Når Stortinget i dag er invitert til å debattera og ta stilling til finansiering av opprustinga av fv. 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland, er dette slett ikkje noko stor sak verken i kostnad eller teknisk omfang, samanlikna med dei fleste bompengeproposisjonane som vert handsama i denne salen. Kostnadane er rekna Likevel er det ei svært viktig sak for å betra trafikktryggleiken og for å gjera det betre framkomeleg for dei som ferdast på vestsida av Stord. Delar av vegen er i dag svingete og smal, og det er einaste omkøyringsvegen dersom E39 på austsida av øya må stengjast. Seinast no på mandag var det eit uhell på E39 rett sør for Sandvikvåg, der ein semitrailer med 20 tonn frosenfisk fekk forskyving av lasta i ein sving, og to pallar deisa ut i vegbanen og skada to bilar og tre personar. E39 vart då stengt i ein lengre periode, og fv. 545 vart omkøyringsveg. Det er eit mål å gjera vegen tryggare for gåande og syklande ved å etablera gang- og sykkelveg. Fv. 545 er tilkomst til E39 for dei fleste innbyggjarane i Fitjar kommune, og det er lokalveg mellom Sagvåg og Fitjar. Det er fire delstrekningar i denne

vil strekninga på 2 km mellom Rimbareid og Vik få utbetring til tofelts veg og gang- og sykkelveg. Bompengesøknaden for Bompengepakken Stord vestside er utarbeidd av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Statens vegvesen og kommunane Stord og Fitjar. Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om finansiering av fv. 545 ved å forlenga eksisterande bompengeinnkrevjing på

i kombinasjon med like mykje statlege midlar, finansiert ei svært omfattande og naudsynt opprusting av E39 på austsida av Stord. I si tid, då denne finansieringa skulle vedtakast, var det innvendingar mot ordninga fordi 15 pst. av trafikken ikkje nytta E39 på austsida av Stord, men i staden køyrde på det som då var rv. 545 på vestsida. Same argument kan jo isolert sett nyttast omvendt no: Kvifor skal 85 pst. av ferjetrafikantane no vera med på å finansiera utbetring av ein veg dei ikkje køyrer så mykje på? Svaret er ganske enkelt at no et det «payback time», eller sagt på nynorsk: tid for å betala attende. Gjennom ti år har folk frå Fitjar betalt bompengar på ferja for ein No får dei 85 pst. som køyrer på austsida, vera med på å betala, og på det viset vert spleiselaget også temmeleg nøyaktig rettferdig når ein ser det heile samla over dei til saman tolv åra som ordninga gjeld for. Kommunane Fitjar og Stord, samt Hordaland fylkeskommune stør finansieringopplegget, medan Os kommune ikkje Fleirtalet i komiteen, alle partia bortsett frå Framstegspartiet, vurderer det slik at det er tilstrekkeleg lokalpolitisk tilslutning, og dette fleirtalet står samla om å rå Stortinget til å samtykkja i delvis bompengefinansiering, som det framgår av proposisjonen. Eg går ut frå at Framstegspartiet sjølv vil gjera nærare greie for mindretalet sitt

er eneste omkjøringsvei dersom E39 Kyststamveien på østsiden av Stord må stenge. Som saksordføreren nettopp nevnte, har vi hatt et ferskt eksempel på at det dessverre skjer, og det skjer dessverre også litt for hyppig. Derfor er Fremskrittspartiet for prosjektet, og stemmer for gjennomføring. Men Fremskrittspartiet er – ikke uventet – imot finansiering med bompenger, akkurat som vi har vært imot å finansiere med bompenger den opprustingen av E39 som man er i ferd med å gjøre – som man altså finansierer med bompenger. Særlig med bakgrunn i at dette prosjektet er en avlastningsvei og et sikkerhetsalternativ ved stenging av E39 Kyststamveien, er Fremskrittspartiet imot bompengefinansiering. E39 er en av Norges viktigste europaveier, og det er jo hovedveinettet i Norge. For Fremskrittspartiet blir det urimelig at et slikt tiltak skal finansieres med bompenger, til og med gjennom forlenget bompengeinnkreving på ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg. Fremskrittspartiet stemmer for finansiering i fellesskap mellom fylkeskommunen og staten, men Fremskrittspartiet vil at staten skal dekke hele regningen for statens andel, ikke at deler av statens ansvar og andel skal dekkes gjennom påtvunget kjøp av vei på avbetaling. Jeg konstaterer at Fremskrittspartiet er alene om sitt syn på finansiering, og at finansiering med bompenger vedtas med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV samt stemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er noe smålåtent over dette. Selv om det er en viktig sak for dem det gjelder, er det på mange måter en liten sak. Det er en slags politisk styrt fattigdom. I forbindelse med et prosjekt som totalt er kostnadsberegnet til 59 mill. kr, må bilistene altså bidra med 41 mill. kr, og en må til Stortinget for å få dette vedtatt og behandlet. 41 mill. kr er i veisammenheng – europaveisammenheng og fylkesveisammenheng – et lite beløp. Oljefondet var ved utgangen av oktober Summen av bilrelaterte avgifter – engangsavgift, årsavgift, vektårsavgift, omregistreringsavgift, veibruksavgift på bensin, veibruksavgift på autodiesel, avgift på smøreolje og CO2-avgift – er i statsbudsjettet som vi nå skal til å behandle, statsbudsjettet for 2013, budsjettert til 55 609 mill. kr, altså mer enn 55 mrd. kr totalt. Derfor har vi god råd – god råd som gjør det mulig for staten å finansiere sin del av dette prosjektet: hoveddelen av prosjektet på fv. 545 på Stord, og fordi det er et trafikksikringstiltak: den eneste omkjøringsveien for E39. For å slutte med noe av det samme som saksordføreren sluttet med: Nå er det «pay-back time» – nå er det tid for å betale tilbake, og det er staten som etter Fremskrittspartiets mening skal betale. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i innstillingen. Representanten Arne Sortevik har tatt opp det forslaget han vil takke saksordføraren både for ei god utgreiing og for ein god jobb med denne saka i komiteen. Representanten Arne Sortevik tar opp om denne typen saker bør behandlast i Stortinget. Det synest eg er eit godt spørsmål, for det er klart at kanskje bør vi modernisere òg den behandlingsforma vi har i Stortinget. Stortinget. Dette er jo ikkje av dei store sakene – kanskje bør vi få fleire saker samla i ein større plan – men i seg sjølv er dette ei svært god sak. Det er gjort greie for frå saksordføraren si sida at fv. 545 er ein veg som er i sterk bruk, som blir nytta mykje, men som i dag er i dårleg forfatning. Dei tiltaka som kjem her, er forfatning. Dei tiltaka som kjem her, er svært gode, og denne vegen er òg ein viktig omkøyringsveg for E39 når den ved enkelte tilfelle er stengt. Derfor er dette eit godt tiltak. Så blir det òg sagt at bompengane vil her bli tatt inn via ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg. På mange måtar synest eg det er heilt riktig som saksordføraren seier, det er saksordføraren seier, det er eigentleg rettferdas tid for dei mange som har brukt fv. 545 og som har betalt bompengar nå snart i ti år. Dei får nå glede av at ein tar inn bompengar som kan bli nytta til fv. Dette viser òg korleis lokale initiativ kan få sin gjennomføringskraft og føre til forbetringar. I si tid var det tidlegare ordførar Harald Rydland i Fitjar kommune som såg tydeleg dette behovet. Han fekk med seg kommunestyret i Fitjar, og òg Stord kommunestyre slutta seg til dette. Hordaland fylkeskommune har òg støtta opp om dette gode prosjektet. Så er det sånn at ei bru som i dag forsvinner, er den lokale brua som ein kallar helsebrua. Det lokale brua som ein kallar helsebrua. Det kan berre køyre ein bil av gangen, og derfor er det alltid tid til å helse når ein kjem til den brua. Men på mange måtar er det òg ei glede at den tida er forbi, og helsebrua tar vi altså farvel med med denne saka her i dag. Jeg var ikke kjent med hilsebrua, men jeg er

Det går fram av komiteens innstilling at det er enighet om at prosjektene på fylkesveien er viktige, at det er en viktig oppgradering av veien, og som flere talere har pekt på, er fylkesveien den eneste omkjøringsveien for E39 på Stord. Komiteen viser også til at deler av veien er svingete og smal – og det er den jo – og det er et mål å gjøre veien tryggere både for den som skal kjøre på veien, og også for gående og syklende ved at en etablerer gang- og sykkelveier i prosjektet. Forslaget fra regjeringen om delvis bompengefinansiering blir også støttet av alle partiene bortsett fra Fremskrittspartiet. Som sagt, dette fører til at fylkesveien blir mer trafikksikker, lettere framkommelig og dermed også en mer brukbar omkjøringsvei for E39 i de tilfellene det er nødvendig, og jeg er veldig glad for at man kan utvide veldig smale delstrekninger til bredere vei. Samtidig synes jeg også det er veldig bra at det blir satset på gang- og sykkelveier og at fylkesveien dermed gjøres tryggere også for gående og syklende på strekningen. Opprustningen av strekningen er viktig for lokalbefolkningen, men den er også viktig etter hvert for det lokale næringsliv. Utbyggingen av vindmølleparken på Midtfjellet i Fitjar som startet opp nå i 2012, har aktualisert behovet for å ruste opp Jeg har registrert at Fremskrittspartiets medlemmer i komiteen mener at staten bør bidra med midler tilsvarende foreslått bidrag fra bompenger. Veien som nå blir opprustet, er jo en fylkeskommunal vei, og det er derfor Hordaland fylkeskommune som er ansvarlig veieier. Bompengesøknaden som får tilslutning i Stortinget, er utarbeidet av kommunene Fitjar og Stord samt Hordaland fylkeskommune. Jeg mener at Stortinget bør støtte når det er snakk om fornuftige veiprosjekt, som i dette tilfellet. Derfor er jeg også glad for at hele komiteen inkludert Fremskrittspartiets medlemmer er enige om at det omtalte prosjekt bør gjennomføres som bompengeprosjekt. Jeg registrerer også at Fremskrittspartiet ønsker å omgjøre forvaltningsreformen og avvikle ordningen med fylkeskommunal veibygging. Det er en debatt som en fra regjeringens side ikke ser ønskverdig å ta opp nå. Vi må forholde oss til at Stortingets flertall ga en støtte til forvaltningsreformen i 2010, og at en nettopp ut fra det har overført fylkeskommunal vei til fylkeskommunene, og at det må mange måter også har vitalisert fylkeskommunenes arbeid med transportpolitikk og samferdsel. Saksordføreren, representanten Magne Rommetveit, får ordet én gang til i inntil 3 minutter. Videre har de talere som heretter får ordet,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

med alle de utenlandske vogntogene med helt andre rammebetingelser enn de norske transportører må leve under. Det viser i hvert fall ganske tydelig at dette er en viktig sak for norsk transportbransje. Det har hatt konsekvenser for mange selskaper, som enten har gått over ende eller er i ferd med å gå over ende på grunn av denne regelen i – eller unntaket fra – EU-direktivet som gjør at man også kan ha kabotasjekjøring i Norge. Bakgrunnen er selvfølgelig at vi har sett at det har fått store konsekvenser for norsk transportbransje. Også i våre nordiske naboland er det stor bekymring over situasjonen, og alle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Norden, Norge Sverige og Danmark, har bedt sine regjeringer om midlertidig opphevelse av kabotasjereglene for å gå igjennom situasjonen og se hva man kan gjøre Jeg regner med at de forskjellige partiene vil redegjøre for sine holdninger til forslaget, men jeg vil peke på at det er godt å se at det er bred enighet blant alle partiene som sitter i komiteen, om at man må følge utviklingen i kabotasjekjøringen nøye. Men det blir en stor brist når man skjønner at grunnlaget for at ikke flere vil være med på forslaget, er at man vil vente og se, fordi tallene fra 2010 viser at det kun var ca. 1 pst. kabotasjekjøring i Norge.

transportbransjen. Mange er nå svært bekymret for bransjens fremtid i Norge. Det er viktig å ha med seg som bakteppe når vi diskuterer problemene med kabotasjekjøring, at det er langt ifra like konkurransevilkår mellom de norske og de utenlandske transportørene. At vi skal kunne sikre alle samme lønns- og arbeidsbetingelser, vil nok være utfordrende i tiden fremover, men det er også andre ting som skaper utfordringer for norske transportører fremfor andre, og som ikke minst skaper store utfordringer

og mange ganger kanskje mer enn det som er lov. Dette vil nok for mange i arbeidslivet sannsynligvis bli oppfattet som sosial dumping. I tillegg har vi også et langt høyere avgiftsnivå i Norge enn i de fleste andre land. Bompenger er blitt en stor kostnad for norske transportører, og når mange utenlandske vogntog kjører rett igjennom uten å betale bompenger, bidrar også dette til konkurransevridning. Her har regjeringen i lang tid lovt å få på plass en ordning, men fortsatt er en slik ordning ikke på plass. Dette bidrar til stor forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører. Det er faktisk ganske skuffende å registrere at regjeringen i denne saken ikke har et eneste forslag til hvordan vi kan få gjort noe med de problemene jeg her har tatt opp, og som en samlet norsk transportbransje på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden gir klare meldinger tilbake i hvert fall til storingsrepresentanter. Jeg forutsetter at også statsråden har fått de samme bekymringsmeldingene fra transportbransjen. Jeg ønsker å ta opp Fremskrittspartiets forslag i saken og håper at en statsråd fra Senterpartiet, som ikke er for EU og EØS-avtalen, faktisk nå følger opp og tør å utfordre EU-systemet på et lovverk som er i ferd med å ta knekken på norsk transportbransje.

som sjølvsagt vil føra til at nokon hamnar i skifteretten fordi dei skal konkurrera kvarandre i hel. Det er god framstegspartipolitikk. Denne gongen rammar det – eg hadde nær sagt – bl.a. Geir Mo og Lastebileigarforbundet, og tilsette som køyrer lastebil. Eg er heilt einig med Lastebileigarforbundet og lastebilsjåførane i at dette må me følgja nøye med på – og det gjer regjeringa. men politikken til Framstegspartiet er nettopp å få meir konkurranse, privatisera, få meir på anbod. Då må nokon tapa – det er jo det som er framstegspartipolitikk – slik me fekk illustrert då me var i Spania, der alle transportbransjar skal ha same vilkår, og så er det mange tomme flyplassar fordi det ikkje er mogleg å skapa konkurranse på alle område. Når det gjeld dette med bompengar, er det sjølvsagt irriterande at ein ikkje har fått til eit system saman med EU for å sørgja for at alle betaler bompengar. Det vert det jobba med. Eg er einig med representanten Hoksrud i at dette må me få på plass. Problemet har vore at me må gjera dette i samarbeid med dette må me få på plass. Problemet har vore at me må gjera dette i samarbeid med bl.a. Sverige og EU. Dermed kan me ikkje berre gjera det sjølve. På grunn av den EØS-avtalen som Bård Hoksrud synest er så god, har me ikkje den sjølvråderetten som me i utgangspunktet eigentleg skulle hatt. Det er bra at Framstegspartiet tek opp ei sak som eigentleg dreier seg bl.a. om arbeidstakaranes rettar og om sosial dumping.

jeg er uenig i de forslagene som ligger i denne saken. Jeg er glad for at vi får muligheten til å diskutere ulike sider ved kabotasje. Komiteen er samstemt i at utviklingen av kabotasjekjøring må følges nøye. Tallene som vi har som faktagrunnlag, er tall fra SSB fra 2010. De viser at godstransportarbeidet som ble utført som kabotasje i 2010, var på 1 pst. Signalene som kommer fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i transportbransjen, tyder på at omfanget er mye større. De nye reglene for kabotasje trådte i kraft i mai 2010, så det er ikke urimelig å tro at omfanget er større nå enn i 2010. Vi trenger et nytt faktagrunnlag, og derfor er jeg glad for at samferdselsministeren i sitt svarbrev til komiteen skriver at departementet nå er i gang med å kartlegge omfanget og utviklingen i kabotasjekjøringen. Budskapet fra bransjen er tydelig: Dette er mer utbredt enn tallene fra 2010 tilsier. Derfor er det viktig med et oppdatert faktagrunnlag når vi diskuterer disse problemstillingene videre. Representanten Hoksrud redegjorde for Fremskrittspartiets syn. De står alene om å fremme de forslag som ligger i saken. Jeg kommer tilbake til dem. Jeg er likevel glad for at det er en samlet komité som uttrykker bekymring over utviklingen i norsk transportbransje og viktigheten av å unngå sosial dumping. Det er gledelig for en arbeiderpartimann å se at Høyre også er opptatt av sosial dumping. Som nei-mann er det ekstra gledelig å se at Høyre deler bekymringen over EU-kommisjonens mål om å liberalisere kabotasjetransporten ytterligere, skjønt jeg er noe usikker på hvor dypt bekymringen for liberaliseringen stikker i både Høyre og Fremskrittspartiet. Vi har ganske mange saker i denne salen hvor disse to partiene stiller seg i front for liberalisering. I denne saken er de altså imot. Det er grunn til å ta signalene fra EU-kommisjonen på alvor. En full liberalisering av kabotasje ville være svært alvorlig for norsk transportbransje. Statsråden har allerede hatt samtaler med sin svenske kollega om felles nordiske holdninger til et framtidig kabotasjeregelverk. Arbeiderpartiet mener vi må ha strengere regler for kabotasje, og jeg er glad for at et stort flertall i komiteen støtter det. En ting er dagens regelverk. En annen ting Arbeiderpartiet mener det er viktig med økt og mer målrettet innsats for å avdekke brudd på dagens regelverk. Noen mener det er lite brudd, andre mener at omfanget er større. Den eneste måten å finne ut av det på er gjennom økt kontrollvirksomhet. Kampen mot sosial dumping er viktig for Arbeiderpartiet og regjeringen. Regjeringen har gjennom ulike tiltak vist at den tar dette på ytterste alvor. Det er liten tvil om at transportbransjen møter økt konkurranse fra utenlandske aktører som kan tilby transporter til en lavere pris enn norske transportører kan. Arbeiderpartiet mener også at vi må se på tiltak som kan forhindre sosial dumping i transportbransjen. Det er en sammensatt næring med mange små operatører. I andre bransjer har vi innført solidaransvar. Arbeiderpartiet mener dette er veien å gå også for transportbransjen. Jeg vet at regjeringen jobber med tiltak som skal forhindre sosial dumping i transportbransjen, og jeg ser fram til regjeringens oppfølging av det. På bakgrunn av det jeg har sagt – og det statsråden skrev i sitt svarbrev til komiteen – vil ikke Arbeiderpartiet gå for forslaget i saken, nemlig midlertidig å oppheve kabotasjereglene innenfor veibasert godstransport i Norge. Men vi vil følge saken nøye og forventer en rask oppfølging fra regjeringen på de ting samferdselsministeren har varslet: et bedre faktagrunnlag og tiltak for å forhindre sosial dumping i transportbransjen.

EU, også på områder som angår transportpolitikken. Reglene om kabotasje innenfor godstransport har altså vært en del av norsk rett helt siden 1994 da forordning nr. 3118/93 om fastsettelse av transportørers adgang til å utføre innenlands godstransport på vei i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende, ble innlemmet i yrkestransportloven. Fram til 1998 var kabotasje utført etter et tillatelsessystem, et tillatelsessystem, men fra 1998 har utenlandske transportører hatt adgang til å utføre transportkabotasje midlertidig i Norge – uten at ordet midlertidig egentlig har vært nærmere definert i forordningen. De nye reglene i forordning nr. 1072/2009, som har vært gjeldende fra mai 2010 i EU, innebærer at transportører kan utføre tre oppdrag innenfor en syvdagersperiode i forbindelse med en innkommende internasjonal last. De nye reglene er en justering og presisering av kabotasjereglene som gir kontrollmyndighetene større mulighet til å kontrollere at lovlig kabotasje utføres i tråd med det regelverket som har eksistert i Norge siden 1994. De nye reglene om kabotasje er tatt inn i norsk rett ved forskrift 26. mars 2003 nr. 402. Jeg har imidlertid forståelse over de ulike rammevilkårene som de opplever mellom norske og utenlandske transportører – kanskje særlig ulikheten mellom de norske og de utenlandske sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen er opptatt av at det i et framtidig regelverk for kabotasje skal tas hensyn til sosiale forskjeller, og regjeringen vil fortsatt jobbe for å få en felles nordisk holdning til et framtidig kabotasjeregelverk – en holdning som kan kommuniseres til Det har vært kontakt fra norsk side over til svensk side for å prøve å ta initiativ til en felles nordisk holdning i så måte. Jeg ønsker også å følge opp komiteens anmodning om å følge utviklingen når det gjelder kabotasjetransporten, nøye. Samferdselsdepartementet er i gang med å kartlegge utviklingen av kabotasjekjøringen. I tillegg må også alle land i EU – samt EFTA-landene – følge en statistikkforordning for godstransport på vei der innmelding og oppstilling av data gjøres likt i hele EØS-området. I Norge er det Statistisk sentralbyrå som følger opp den forordningen, og statistikk for kabotasjekjøring finnes for årene for årene fra 2000 og fram til 2010. Kabotasjeandel i Norge, målt i antall tonn-kilometer, har ligget mellom 1 og 1,5 pst. i disse årene. Tallene for 2011 har akkurat kommet, og de viser en andel av kabotasje på Det er en økning fra 2010. Departementet vil likevel fortsette å utvide arbeidet når det gjelder kartlegging av utvikling av kabotasjekjøring – ikke minst pga. de signalene som kommer fra næringen om denne problematikken. I representantforslaget vises det til at det er fullt mulig iht. Artikkel 10 i forordning 1072/2009 å be ESA suspendere gyldigheten av kabotasjereglene for en periode opp til seks måneder – som kan forlenges. Til det vil jeg si at det skal kunne påvises alvorlige forstyrrelser i transportmarkedet for at den adgangen til kabotasje skal stanses. Per i dag kan det ikke dokumenteres at kabotasje har ført til den type alvorlige forstyrrelser i markedet. Selv om det er en økning i kabotasjen fra 2010 til 2011, er den totale andelen kabotasje i markedet fortsatt lav. Og så vidt jeg er kjent med, har gått inn for den typen midlertidig stans i kabotasje. Det vises videre til at det i forbindelse med kjøring har oppstått kriminelle subkulturer som følge av utenlandske transportørers tilstedeværelse i markedet. Det er viktig å merke seg at de problemstillingene ikke knytter seg spesielt til kabotasjeproblematikken. Den største delen av utenlandske kjøretøyer i Norge utfører helt ordinær, internasjonal transport og det er viktig å skille de generelle problemstillingene knyttet til kriminalitet fra rene kabotasjeproblemstillinger. Departementet er opptatt av økt kontrollvirksomhet, og jeg kan komme litt tilbake til det. Men kontroll av kjøretøy, kontroll av vinterutrustning og kontroll av kjøre- og hviletid for sjåfører følger det samme regelverket og vil bli prioritert på samme måte som for norske kjøretøy. Det blir replikkordskifte – også med statsrådens deltakelse. Det var hyggelig at statsråden ville svare på spørsmål. Jeg har bare lyst til

Jeg har bare lyst til å utfordre samferdselsministeren, for Freddy de Ruiter sier at regjeringen jobber med konkrete forslag. Da vil jeg gjerne vite fra samferdselsministeren: Hva er de konkrete forslagene regjeringen jobber med? Og jeg har lyst til å utfordre statsråden på en ting til. Som statsråd fra et parti som ikke ønsker EØS-avtalen, og helst ville meldt Norge mest mulig ut av den, er det et stort paradoks at man her kjemper EUs sak og ikke ser på muligheten for å få stoppet kabotasjekjøringen på samme måte som man har stoppet muligheten for å liberalisere for brev under 50 gram. Jeg synes jo dette er en viktigere sak enn brev under 50 gram. Først ber jeg representantene om unnskyldning for at jeg er litt uvant med forholdene i Stortinget etter sju år borte. Jeg vil selvsagt gjerne svare på spørsmål fra representanten Hoksrud. For det første: Jeg er en del av en regjering med tre partier. Dersom Hoksruds parti en gang kommer i regjering, vil også han være del av en regjering med forskjellige partier med forskjellig holdning til EØS-avtalen. Jeg tror nok at risikoen er stor, også for Hoksruds del, for at han må forholde seg til at EØS er grunnlaget for det arbeidet han gjør. Så er det riktig at på noen områder innenfor transport har vi klart å få unntak fra, eller tilpasning av, Jeg kunne nevnt flere eksempler på det, og det er jo bra at Hoksrud har merket seg dem. På dette området tror jeg det er vanskeligere, men jeg tror at det å innta en felles nordisk holdning til et framtidig kabotasjeregelverk der en i større grad kan ta hensyn til bl.a. sosiale forhold for sjåførene, er en viktig vei å gå. All kabotasjekjøring i Norge er

samtidig som staten er operatør og eier, hvor statsråden er generalforsamling for selskapene. Er statsråden komfortabel med sin habilitet? På en rekke områder i en rekke departementer vil staten være både myndighet og regulator og samtidig være eier av statlig virksomhet. Det er ikke unormalt, og det er heller ikke isolert til Samferdselsdepartementet. Det skjer i svært mange departementer – i Olje- og energidepartementet og også i Næringsdepartementet. Jeg forventer at statlig virksomhet, i den grad de bruker internasjonale transportører og i den grad de benytter seg av den adgangen til kabotasje som finnes i den siste forordningen fra 2010, gjør det på en sånn måte at det er lovlig, og at det også innebærer at en har gode sosiale vilkår og lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene. Jeg har sett at det har vært stilt spørsmål ved det,

Vi jobber for at all kontrollvirksomhet skal være lik for norske og utenlandske transportører. Det gjelder teknisk tilstand på kjøretøy, det gjelder kjøre- og hviletid for sjåfører, og det gjelder også vinterutrustning av kjøretøyene. Vi jobber for en obligatorisk brikke for tunge kjøretøy sånn at også de skal være nødt til å betale bompenger på norske veier. Den forskriften er nå ute på høring fra Vegdirektoratet og vil ganske raskt kunne komme til behandling hos departementet og

bra. Da er litt av utfordringen at vi har en regjering som veldig sjelden utfordrer. Den eneste gangen – i hvert fall så lenge jeg har sittet på Stortinget – hvor man virkelig har tort å utfordre, gjaldt brev under 50 gram. Jeg tror det er andre ting som er mye viktigere å utfordre, og hvor det er viktig å si at her ønsker vi faktisk å styre mer i Norge. At representanten Langeland velger å dra inn tidligere generalsekretær i Fremskrittspartiet, viser bare hvilket nivå han velger å legge seg på.

er det kanskje greit å ha med seg hvem som har styrt Spania. Det er vel stort sett sosialister som har hatt ansvaret for at mange flyplasser nå står tomme og at fly ikke flyr der. Det er for så vidt Spanias problem. Vi får sørge for å rydde opp i de utfordringene vi har i Norge i stedet. Jeg er veldig glad for at statsråden også sier at vi trenger nytt faktagrunnlag. Men jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å få det på plass. Men bransjen er bekymret fordi de mener at det er grov underrapportering i statistikkene rundt dette med kabotasjekjøring i Norge, og at grunnlaget og tallmaterialet som vi får nå, er mangelfulle. Det ser man vel også litt på hvordan situasjonen er i bransjen. Jeg er glad for at statsråden kom med noen tiltak man skal jobbe mye prat. Man skal prate med våre nordiske kolleger, og det er sikkert bra. Det eneste jeg registrerte at statsråden i hvert fall nå er tydelig på, er dette rundt bompenger og brikke og å få på plass den ordningen. Men det har denne regjeringen lovet i mange år nå, og det skulle vært på plass for lenge siden. Nå sier man at det er ute på høring, og man skal snart få vite når det skal ryddes opp. Bransjen har egentlig ikke tid til å vente. De har ønsket at dette skulle vært på plass for lenge siden og har tatt det opp mange ganger med diverse samferdselsministre fra Senterpartiet. De forventer at det kommer på plass – egentlig at det var på plass i går – og det har jeg stor forståelse for. Så håper jeg at det ikke bare fortsetter å være bred enighet om utfordringene, men lite konkret skjer. Vi har i hvert fall lagt fram et konkret forslag som kunne vært med og bidra positivt for en transportbransje som sliter veldig for tiden. Det er en selsom opplevelse at en statsråd fra Senterpartiet er den varmeste forkjemperen for å beskytte EU-forordninger. Ikke minst når

noe Norge for øvrig ikke er, ikke har gått inn for stans i utenlandske operatørers adgang til å drive kabotasje. Statsråden har også helt rett i at langt de fleste utenlandske aktører ikke utøver kriminalitet, men vi kan ikke tillate oss å bli handlingslammet når kriminalitet utøves, noe som dessverre er tilfelle. Norge har per dags dato ikke et like stort kriminalitetsproblem som Sverige hva angår organisert kriminalitet og smugling knyttet opp mot kabotasje, men spørsmålet blir om vi ønsker svenske tilstander eller ikke. Hvis vi ikke ønsker å lære av de dårlige erfaringene som våre naboer i øst har hatt, blir det nærmest som å ønske dette velkommen til Mye er viktig i denne saken, og vi mangler mye statistikk på området. Og selv om det jeg nå sier ikke har en direkte kobling til denne saken, er det faktisk slik at det hører med i det større bildet. Jeg har en ulykkesstatistikk for tyngre kjøretøy

er utenlandske tyngre kjøretøy involvert i over 50 pst. av hendelser eller ulykker, samtidig som de står for ca. 20 pst. av godsfrakten. Utenlandske tyngre kjøretøy er overrepresentert. En av årsakene er manglende kontroll. Hørte jeg ordet «nullvisjon», eller hørte jeg helt

eigentleg fri konkurranse Framstegspartiet vil ha på alle område. Og kva betyr fri konkurranse? Jo, det betyr òg at lønna og pensjonen og sånne ting kjem under press. Skal ein få ned utgiftene, må ein jo gå laus på det. Det vil ein ikkje snakka om. Eitt eksempel er at Framstegspartiet i statsbudsjettet kuttar 1,5 mrd. kr i sjukelønn. Det fortel noko om kven me eigentleg har med å Engasjement for lastebil, lastebileigar og lastebilsjåfør er flott, men det er denne politikken det blir meir av i Noreg om Framstegspartiet nokon gong kjem i posisjon, og det må dei vera ærlege nok til å seia. Så vil me ikkje ha svenske tilstandar i Noreg. No høyrde me jo frå Gøteborg-politiet korleis kriminaliteten der utviklar seg på dette området.

Hensikten – den gang som da – var først og fremst å skaffe den korteste og hurtigste forbindelse til daværende Kristiania og til store deler av Østlandet. I 1891 og 1892 la Samferdselsdepartementet fram to proposisjoner for Stortinget om en hovedtrasé for Bergensbanen, som da var vedtatt bygd. Stortinget utsatte saken og vedtok senere tilknytning fra Hønefoss via Roa til Den nyere historien til Ringeriksbanen er et resultat av et forseringsvedtak gjort av Stortinget i 1992, som del av et forlik i forbindelse med vedtaket om stamveien mellom Oslo og Bergen. I det vedtaket lå det også en lang veitunnel i Lærdal. På bakgrunn av dette vedtaket la NSB fram konsekvensutredning og jernbaneutredning for Ringeriksbanen i 1993 og en tilleggsutredning i 1995. Stortingsflertallet var enig i Sandvika som utgangspunkt, men ønsket et bedre grunnlag før man valgte korridor. I 1999 ble grunnlaget i form av konsekvensutredning fase 2 ferdigstilt, én for hver av de to aktuelle korridorene, Åsa og Kroksund. Så fattet Stortinget et vedtak i 2002, som lød slik: «Stortinget samtykker i at den videre planlegging av Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen – tar utgangspunkt i korridoren over Åsa.» Så var vi så langt. Ny konseptvalgutredning for Ringeriksbanen ble påbegynt i 2005 og ferdigstilt i 2008/2009. Siden har det vært helt stille, inntil noen fant KVU-en i en skuff i høst og oppdaget at den ikke var god nok som beslutningsgrunnlag for videre planlegging. Det tok altså tre år og oppdaget at den ikke var god nok som beslutningsgrunnlag for videre planlegging. Det tok altså tre år å oppdage at stortingsflertallets ambisjoner for nye jernbaner i Norge, vedtatt høsten 2008, ikke lenger var forenlig med plangrunnlaget for et av de mest lønnsomme jernbaneprosjektene i landet. Bergensbanens forkortelse, med Ringeriksbanen, innebærer en ny jernbanetrasé mellom Sandvika og Hønefoss. Banen vil forkorte Bergensbanen med og reisetiden mellom Oslo og Hønefoss på hurtigste måte vil bli ned mot 27 minutter. Prosjektidéen for Ringeriksbanen er altså transportbehovet knyttet til innkorting av langreisene på Bergensbanen, fra Vestlandet og Hallingdal, og en mer direkte jernbaneforbindelse mellom Oslo og Ringerike. Hva er så situasjonen i dag? Lange persontransporter mellom Bergen og Østlandet domineres av flyreiser, 56 pst. Men også personreiser på Bergensbanen utgjør en relativt stor andel, 17 pst. Personbilreiser og bussreiser utgjør henholdsvis 22 pst. og 5 pst. Ekspressbusstrafikken er mer begrenset og betjener mest relasjoner uten tog- eller Tog og buss brukes i første rekke av fritidsreisende som vektlegger pris, og flytransporten domineres av tjenestereiser der reisetid vektlegges høyt. Dagens bane, Bergensbanen, er landets mest trafikkerte fjernstrekning og dessuten en viktig turistbane. Bergensbanen har tilknytning til Flåmsbanen, som rangeres blant de mest besøkte turistattraksjonene i landet. I 2008 var det 700 000 fjerntogreiser med Bergensbanen. Med ny Ringeriksbane regner man med at antall fjerntogreisende vil øke til 1 033 000 per år. Mellom Oslo og Hønefoss er ikke toget noe reelt transportalternativ i dag, idet både kjøring med buss og bil går vesentlig raskere enn med tog. På relasjoner mellom Oslo og stasjoner i Hallingdal konkurrerer toget ganske bra med bil og buss med hensyn til reisetid, så her vil selvfølgelig en innkorting av reisetiden på én time gi langt større prosentvis reduksjon av reisetiden. For at langdistansetrafikken på Bergensbanen skal ha en sikker framtid, bør reisetiden Oslo–Bergen reduseres med 1–2 timer i forhold til i dag, dvs. til ned mot 4 ½ time – på lengre sikt et høyhastighetstilbud på strekningen som tilsier en reisetid på under 2 ½ time. Dette vil bidra til å opprettholde reisetidsforspranget i forhold til bil og buss og legge grunnlaget for fortsatt å betjene et betydelig underveismarked. Reisetidsforskjellen i forhold til fly vil imidlertid fortsatt være stor, men allerede ved innkorting til 4 ½ time gi Et høyhastighetstilbud – på lengre sikt – på 2 ½ time, vet vi av internasjonal erfaring vil ta 80 pst. av flytrafikken. For å redusere reisetidene på Bergensbanen er utbygging av Ringeriksbanen en nøkkelfaktor. Det gjelder for både langdistansereisende og for reisende mellom Ringerike og Oslo-området. Når Ringeriksbanen realiseres, gir det et bedre grunnlag for langdistansetrafikk på kommersielt grunnlag,

ved at regionen får en direkte og hurtig baneforbindelse til Oslo. Vi snakker jo om at nye baneforbindelser i Norge skal bygges med en hastighetsdimensjonering på minimum 250 km/t, og med betydelig kortere reisetider – som jeg nevnte – ned mot 27 minutter.

de vil dermed bidra til en helt nødvendig regionforstørring for Oslo og slik sett bli en viktig intercityforbindelse. I forbindelse med trafikkberegningene for Ringeriksbanen er det gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke reisemiddelfordelingen i transportkorridoren Ringerike–Oslo. Togandelen i dag er så lav som 15 000 per år, som i denne sammenheng er tilnærmet lik null. Dette skyldes, som tidligere nevnt, at toget mellom Oslo og Ringerike ikke er noe reelt persontransportalternativ, idet reiser med buss og bil går vesentlig raskere enn toget, som går via Hokksund og Drammen. Med Ringeriksbanen på plass vil en forsiktig prognose for lokalreiser øke til 650 000 reiser per år. Til sammen vil og regionreiser øke med over 900 000 reisende per år, til sammen 1 700 000 reisende per år, eller det samme som Vestfoldbanen, som i dag er Norges mest trafikkerte regiontogstrekning. La meg til slutt ta med noe fra Jernbaneverkets strategidokument, som de kalte «Mer på skinner fram mot 2040».

For å ivareta den sannsynlige etterspørselsveksten og bidra til avlastning av vegnettet, må kapasiteten i godstransporten med jernbane økes vesentlig.» I målsettingen for utvikling av Bergensbanen er det lagt opp til at banen skal kunne avvikle en tredobling av dagens godsvolum mellom Oslo og Bergen. Bygging av Ringeriksbanen vil også være til nytte for godstrafikken, selv om ikke en ny bane i samme grad vil være like avgjørende som utviklingen i persontrafikken. På denne bakgrunn er det naturlig å spørre om statsråden vil rette opp det jeg vil kalle miseren med at KVU-en ble liggende, og sørge for at behandlingen av Ringeriksbanen ikke forsinkes som følge av dette, og gi oss en forsikring om at prosjektet vil bli

i NTP? Den rød-grønne regjeringen overtok i 2005 en jernbane som sto svært svakt. Det hadde over flere år vært lav satsing på jernbane i Norge. I tillegg har jernbanen vært gjennom en mislykket omorganisering i perioden 2001–2005, som førte til mangel på svært sentral jernbanekompetanse. Det har skjedd svært mye positivt på jernbanen de siste årene. Bevilgningene er investeringene er tredoblet. Bevilgningene til drift og vedlikehold er økt med 40 pst. Regjeringen har åpnet, eller har til bygging eller i oppstart, 100 km med dobbeltsporet jernbane. Det betyr at antall kilometer dobbeltspor vil ha økt med over 40 pst. ved utgangen av 2013 sammenlignet med da den rød-grønne regjeringen tok over. Men det er ingen tvil om at til tross for betydelige forbedringer, står vi overfor store utfordringer.

som alle sammen er svært etterlengtet. Mange vil bli skuffet. Sånn er det. Representanten Halleraker er den første opposisjonspolitikeren jeg har sett på lenge, som på vegne av Høyre nå gjør en tøff prioritering. Det hadde vært behagelig å kunne prioritere Ringeriksbanen samtidig som han sier at han er for full utbygging av intercity. Men, som jeg ser av avisene, sier representanten Halleraker klart fra at han prioriterer Ringeriksbanen i stedet for full Det er prioriteringer som opposisjonen ofte overlater til regjeringen. Jeg mener at politikere som tør å prioritere, er langt mer troverdige enn motstykket. La meg også få si litt om bakgrunnen for Ringeriksbanen de siste 20 årene. Jeg skal ikke gå så langt tilbake som representanten Halleraker gjorde, men i alle fall noen av de siste årene. Utgangspunktet for planleggingen av prosjektet Ringeriksbanen er jo Stortingets vedtak i 1992 i forbindelse med behandlingen av stamvei Oslo–Bergen. Der heter det: «Stortinget ber regjeringen om å forsere arbeidet med innkorting av Bergensbanen , med sikte på oppstart i planperioden 1994–97.» Med bakgrunn i dette ga Samferdselsdepartementet NSB i oppdrag å utrede mulige trasékorridorer for Ringeriksbanen, med tilhørende konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Departementet la saken fram for Stortinget, som ved behandling av St.prp. nr. 64 i 1996 vedtok følgende: «Den videre planlegging av Ringeriksbanen tar utgangspunkt i alternativ 2 med avgrening fra Drammensbanen i Sandvika og med traséføring videre mot Hønefoss over Kroksund i Hole kommune, og alternativ 2/6> med avgrening fra Drammensbanen med traséføring videre mot Hønefoss via Åsa, slik som det er gjort rede for i proposisjonen.» Ved behandling av om valg av trasékorridor for Ringeriksbanen, vedtok Stortinget følgende: «Stortinget samtykker i at den videre planleggingen av Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen – tar utgangspunkt i korridoren over Åsa.» Det kan jo være verd å merke seg at Samferdselsdepartementet i proposisjonen uttalte at NHO mente at beslutningsgrunnlaget ga grunnlag for å foreta et valg mellom de to utredede trasékorridorene, og at en i stedet for Kroksund, som var Jernbaneverkets alternativ, valgte å lande ned på at planleggingen av Ringeriksbanen skulle skje med utgangspunkt i korridoren over Åsa. Videre skrev daværende samferdselsminister Torild Skogsholm i St.prp. nr. 66 for 2001–2002: «Ut fra det foreliggende utredningsmateriale mener imidlertid Samferdselsdepartementet det ikke vil være samfunnsmessig riktig å realisere En rekke andre jernbaneprosjekter vil måtte prioriteres før det er aktuelt å bygge Ringeriksbanen. Det vises i denne sammenheng til de prioriteringer som er gjort i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2002–2011. Samferdselsdepartementet vil vurdere om det kan være andre aktuelle infrastrukturprosjekter langs Bergensbanen med større relativ nytte for jernbanetrafikken i forhold til investeringskostnader, økt kapasitet, redusert reisetid og som samtidig har mindre negative konsekvenser for nasjonale, regionale og lokale miljø-, landbruks- og kulturminneinteresser. En slik vurdering vil inngå i arbeidet med Nasjonal transportplan 2006–15.» I denne stortingsmeldingen fant altså Bondevik II-regjeringen ikke rom for å prioritere Ringeriksbanen. Den beslutningen ble overprøvd av det rød-grønne flertallet i Stortinget, som økte vei- og jernbaneinvesteringene, og dermed kunne prioritere penger til Ringeriksbanen mot slutten av perioden. I forbindelse med budsjettinnstilling S. nr. 13 for 2007–2008 uttalte komiteens medlemmer, medlemmene fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, at en i St.prp. nr. 66 for 2001–2002 og Innst. S. nr. 67 for 2002–2003 hadde vedtatt å Flertallet ønsket å ta saken opp på ny i forbindelse med at det nå skulle gjennomføres en KS1 av dette prosjektet på grunnlag av Åsa-alternativet, fordi den kunne hemme utviklingen av Hønefoss by. Flertallet mente at det var viktig å få avklart dette for å kunne videreføre prioriteringer av forkortingen av Bergensbanen i neste NTP, og flertallet ba også om at Kroksundalternativet ble vurdert på nytt. Det var litt om forhistorien omkring Ringeriksbanen. Det har vært en lang forhistorie, og det har vært en vanskelig forhistorie. Jeg tror at når det gjelder innstillinger og proposisjoner, har det vært en vanskelig sak for alle partier i denne sal. Så til det som har vært mest fokusert på de siste årene, nemlig arbeidet med en KVU på Ringeriksbanen. Tidligere i høst valgte Samferdselsdepartementet å stanse hele KVU-arbeidet. Kvaliteten på KVU-en tilfredsstilte rett og slett ikke grunnlaget for KS1. Den viktigste årsaken til det er at foreliggende vedtak og føringer fra Stortinget i realiteten har begrensede muligheter for en åpen og fri tilnærming til å belyse alternative konseptuelle valg i tråd med det som skal gjøres i en KVU/KS1-prosess. Jeg ser i ettertid at departementet med fordel på et tidligere tidspunkt kunne ha stanset den KVU-prosessen som følge av at regjeringens retningslinjer om ekstern kvalitetssikring i en tidlig fase ikke lot seg med de relativt detaljerte vedtakene som tidligere var gjort politisk når det gjaldt trasévalget på Ringeriksbanen. Det kommer imidlertid ikke til å ha noen betydning for den videre framdrift og arbeid med prosjektet. Ringeriksbanen er et veldig stort prosjekt, større enn noen andre prosjekter vi har bygget til nå og kostnadsmessig kanskje i størrelsesorden omtrent som Follobanen. Det krever både en god planprosess, og det krever nok ekstraordinære løsninger for gjennomføring. for gjennomføring. Banen er for så vidt allerede prioritert i inneværende Nasjonal transportplan for 2010–2019. Det er satt av et beløp på ca. 600 mill. kr helt i slutten av perioden, samtidig som det varsles at det bør vurderes dobbeltspor og moderne hastighetsstandard på banen. Det har gått 20 år siden Stortingets første vedtak, og det har gått 10 år siden Stortingets valg av I den perioden har også forutsetningen for hva som ville være en hensiktsmessig jernbaneløsning, endret seg. Det er ikke lenger en enkeltsporet bane med dimensjonerende hastighet på 160 km/t som framstår som den mest framtidsrettede løsningen for Ringeriksbanen. I en ny planprosess må en også vurdere en dobbeltsporet løsning med en dimensjonerende hastighetsstandard opp mot 250 km/t. Med nye forutsetninger vil antakelig heller ikke gjeldende traséforslag som ligger til grunn for Stortingets vedtak, heller ikke gjeldende traséforslag som ligger til grunn for Stortingets vedtak, uten videre kunne legges til grunn. I 2013 kommer denne regjeringen til å starte opp det største investeringsprosjektet som er gjennomført på Bergensbanen i moderne tid – etter at Finsetunellen ble bygd på 1990-tallet. Det vil bety et nytt dobbeltspor fra Arna til Bergen stasjon. Det prosjektet vil bli ferdigstilt i 2018, og kostnadsrammen for prosjektet er i overkant av Når prosjektet er ferdig, vil også frekvensen av reiser kunne dobles på den strekningen. I tillegg er det gjennomført fornyelsestiltak som gjør punktligheten vesentlig bedre i 2012 sammenlignet med tidligere. Det hadde selvsagt vært veldig bra å kunne stå på Stortingets talerstol og være den samferdselsministeren som etter 20 års debatt sa at vi skal Prosjektet ville ha vært et kjempeløft for Bergensbanen. De totale forventningene om hva som skal gjennomføres på jernbanen de ti neste årene, er imidlertid langt over hva som er realistisk gjennomførbart. Det kommer til å bli svært tøffe prioriteringer – kanskje tøffere enn noen gang. Det kommer til å gjelde alle partier i denne sal. Jeg mener derfor at flere politikere burde gjøre som representanten Halleraker, og også utad være villig til å prioritere mellom gode Hva som til slutt blir regjeringens prioriteringer i denne sammenhengen, kommer regjeringen tilbake til i forbindelse med framleggelsen av Nasjonal transportplan til våren. Man skal vel
seg å takke for skryt, også fra en talerstol. Hyggelig var det i alle fall. Jeg tror det også i politikken er greit å være oppriktig og ærlig med det man tror på. Jeg tror på Ringeriksbanen som et fjerde ben i en intercitysatsing for Stor-Oslo. Jeg er helt overbevist om at det potensialet som ligger i å utvikle Ringerike som et nærområde for vil gi betydelig gevinst for denne byen og hele Østlandet. Det er jo den store og spennende dimensjonen for Ringeriksbanen. Når det gjelder satsing på jernbane, tror jeg vi må dele noenlunde likt mellom oss hvordan vi har sett på jernbane oppigjennom. Jeg er helt enig med statsråden i at det i mange år var fokusert for lite på jernbane. Imidlertid har Høyre nå stemt for hvert eneste forslag som har kommet fra denne regjeringen, og vi har sett en dreining i det politiske landskapet i retning av også å satse mer på jernbane som den store personbefordreren i transportnettet i landet vårt. Vi har fått mange impulser fra andre steder i verden, og jeg tror det er et betydelig flertall. Det er hyggelig, for det er bærekraftig om vi også skulle få endringer i regjeringssituasjonen. Jeg registrerer at statsråden ikke svarer konkret på spørsmålet mitt om hvorvidt hun vil ha prosjektet med i sitt forslag til NTP. Men jeg forstår at hun har sans for prosjektet, så jeg får nøye meg med det i denne omgang, og kanskje strekker hun seg lenger etter å ha hørt de de andre talerne. Men jeg vil gjerne få lov til å utfordre henne på ett område til. Jeg tror nemlig at både dette prosjektet og andre store prosjekter i intercitysatsingen må skje gjennom egne prosjektorganisasjoner, egne prosjektselskaper, og en prosjektfinansieringsmodell som gjør det uavhengig av de årlige budsjetter som vi behandler her – slik vi finansierte Gardermo-utbyggingen. Vi vil ha lært av hvordan vi kanskje delvis har feilet på store jernbaneprosjekter tidligere, med referanse til dobbeltsporet fra Asker og inn, hvor Jernbaneverket selv sier at de gjerne ville ha fått organisert seg annerledes og kunne ha spart 1,5–2 mrd. kr på det. Jeg tror kanskje det er et spørsmål det kunne vært spennende å få svar på fra en ny statsråd, for det kommer til å bli viktig i den NTP-en som vi skal vedta før Stortinget går fra hverandre til

Det vil for så vidt også gi Stortinget anledning til å gi føringer for videre arbeid når det gjelder konseptvalg og videre prioritering av en slik type prosjekter. Det er klart det er store behov i jernbanen i årene framover. Behovene på jernbanen er mer avhengig av statsbudsjettet enn det man kanskje ser hos Avinor, på lufthavnene eller på veg. Det tror jeg vi skal erkjenne. Derfor er det fristende å si at her må man prosjektfinansiere. Da jeg kom inn i regjeringen, tenkte jeg også at jeg skulle gå igjennom litt av det som var blitt sagt omkring alternativ finansiering og prosjektfinansiering. Jeg ser at det kan være noen gevinster å hente ved jernbaneutbygging når det gjelder prosjektfinansiering, men ikke fordi det finnes noen ekstra penger noe sted. Det gjør det ikke for denne regjeringen, det gjør det heller ikke for Høyre, det gjør det ikke for noen av oss som er opptatt av å holde seg til en handlingsregel, og ha en ansvarlig budsjettpolitikk. Men det finnes kanskje noen gevinster som man kan se nærmere på når det gjelder det faktum at jernbanen – i forhold til andre transportformer – er mer avhengig av å få sammenheng i utbyggingen for å få full nytte av utbyggingen. Jeg tror nok at Vestkorridoren fra Lysaker til Asker er et eksempel på det, fordi når du har brukt ti år på å bygge – fra 2001 til 2010 – er det klart at det er først når du er ferdig til 2010 – er det klart at det er først når du er ferdig i 2010–2011, at du får den fulle nytten av den strekningen. Sånn er det nok mer for jernbanen enn for andre transportformer, og derfor er i alle fall spørsmålet om prosjektfinansiering eller prosjektorganisering interessant å vurdere. Men den som tror at det å organisere og finansiere prosjekt på noen annen måte enn ved budsjett, at det skulle bety at du slipper unna tøffe prioriteringer i Nasjonal transportplan, tar feil. feil. Enhver som er opptatt av en ansvarlig budsjettpolitikk, må faktisk forholde seg til at forventningene er langt over det som er realistisk og gjennomførbart for enhver regjering, og at det blir tøffe prioriteringer, kanskje tøffere enn noen gang. Jeg skal fra denne talerstol ikke foregripe de prioriteringene, men jeg kan si at det at man ikke gjennomfører KS1, betyr ikke at Ringeriksbanen ikke blir vurdert i NTP. Den blir vurdert på lik linje med alle andre

for ein reduksjon av reisetida mellom Oslo og Bergen ned mot fire timar. Transportøkonomisk institutt har berekna at ein modernisert Bergensbane, med utbygging av Ringeriksbanen, kan gje eit trafikkgrunnlag på 900 000 personar i året. Saman med potensialet for auka godstrafikk vil den nye Bergensbanen utgjera ei vesentleg styrkt og naudsynt transportåre mellom dei to største Eg synest at når det gjeld Ringeriksbanen, har statsråden i sitt innlegg på ein god måte gjort greie for dei historiske forholda, noverande planstatus og vegen vidare i NTP-arbeidet. Det har vore fokusert mykje på at Ringeriksbanen for 20 år sidan i denne salen vart vedteken bygd. Eg skal jo vakta meg vel for å seia at me i dag må vera glade for at dette vedtaket ikkje vart følgt opp slik planane førelåg. Likevel er det eit faktum at departementet si vektlegging av konseptutvalsutgreiinga no opnar for at Ringeriksbanen kan planleggjast og byggjast med dobbeltspor, med høg fart – 250 km/t – og med moderne signalanlegg. Dersom ein skulle følgt dei gamle planane, ja, då trur eg ikkje at me ville fått ein Ringeriksbane med den standarden og med den attraktiviteten som me alle Enkeltspor, låg fart og gammaldags signalanlegg ville ikkje vore framtidsretta. Det er brei semje om å få realisert intercitytriangelet. Det er store og veksande folkemengder som bur langs desse traseane, og me vil alle vera tente med å få eit radikalt forbetra togsystem der. Hønefoss-området og Ringerike har vel ikkje så mykje folk – ikkje i dag – men det må jo vera eit fantastisk buområde for å ta imot ytterlegare vekst og folketalsauke på det sentrale Austlandet. Så langt eg kan vurdera det, er det fint på Ringerike, og med raskt, dobbeltspora togsamband mot Oslo, må det jo vera heilt ypparleg å busetja seg her. Hordaland Arbeidarparti, der eg forresten er medlem sjølv, hadde nyleg Bergensbanen og Ringeriksbanen oppe som sak på representantskapsmøtet sitt. Her var det klare vedtak om at det vidare planarbeidet må føra til at bygginga startar opp seinast i 2018–2019. Så får den vidare NTP-prosessen sjølvsagt visa om ein når fram. Mitt eige fylkesparti gav også full tilslutning til NTP-utkastet sine formuleringar om at Bergensbanen vil kunna tilby eit sterkt forbetra tilbod ved å byggja Ringeriksbanen og oppgradera eller byggja nytt på strekninga Bergen–Voss, og at det mellom Hønefoss og Voss vert gjort naudsynte tilpassings- eller utbetringstiltak for å sikra eit godt totalkonsept. Eg har høyrt at du gjer det heilt store viss du tek bukta og begge endane. Her trur eg det er meir snakk om at me no konsentrerer oss om begge endane, nemleg oss om begge endane, nemleg strekningane Voss–Bergen og Hønefoss–Oslo. Kjem me på rett spor her, og då for det meste på dobbeltspor og med høg fart, ja, då trur eg at sjølve bukta – strekket mellom Voss og Hønefoss – også vil fungera som eit godt bindeledd mellom to av landsdelane våre, som er svært avhengige av kvarandre når det gjeld utveksling av både folk og av gods. Det er

Regjeringen har i løpet av sine syv år ved makten utviklet «utredning og utsettelse» som strategi for å slippe beslutning, og for å spare penger. Regjeringen har faktisk blitt ganske god på det, men desto dårligere på fremdrift og oppstart. Ringeriksbanen er en ny jernbanetrasé direkte mellom Sandvika og Hønefoss som vil forkorte Bergensbanen med ca. 60 km, og gi over 50 minutter kortere reisetid mellom Oslo og Bergen. også bringe reisetiden mellom Oslo og Hønefoss for raskeste tog ned til mindre enn 30 minutter. I slutten av september 2012 kom meldingen om at Samferdselsdepartementet dropper planen om Ringeriksbanen. Jernbaneverkets utredning var angivelig ikke god nok. Man fant altså igjen planen – etter at man hadde glemt den en stund – og konstaterte at den var ubrukelig. Selv i norsk samferdselspolitisk sammenheng, preget av store prosjekter som tar lang tid, er Ringeriksbanen helt spesiell. Den ble første gang drøftet i 1858. I 1950-årene la direktør Fritz C. Rieber i Bergen frem planen om Bergensbanens forkortelse. Den stoppet ikke minst Arbeiderpartiet. I 1975 tok NSB prosjektet frem igjen. I 1991 oppjusterte NSB planen til 200 km – så vidt jeg har funnet ut. Ringeriksbanen ble, som interpellanten refererte, en del av Stortingets stamvegvedtak i 1992 – stor glede da, stor skuffelse i 2012, ti år etterpå. Fremskrittspartiet vil bygge Ringeriksbanen. Prosjektet er en viktig del av moderniseringen av jernbanenettet i Norge og ikke minst moderniseringen av jernbanen mellom Bergen og Oslo. Bergensbanen er viktig. Moderniseringen vil ytterligere øke banens betydning innenfor godstransport – det å flytte gods fra vei til bane. Ringeriksbanen vil også forsterke Bergensbanen i konkurransen med fly og buss på persontransport mellom Bergen og Oslo og styrke kollektivtransporten mellom Hønefoss-regionen og Oslo. Men regjeringen vil altså ikke bygge foreløpig. Utsettelsen, uthalingen og beslutningsvegringen fortsetter. Jeg minner om at oljefondet – med hensyn til statsrådens betraktninger om hva man har penger til eller ikke – per 31. oktober 2012 var på 3 723 mrd. kr – ikke millioner, men milliarder. Fremskrittspartiet vil bygge Ringeriksbanen. Man kan gjerne se dette prosjektet som en ekstra del av intercitytriangelet, men for Fremskrittspartiet er modernisering av Bergensbanen viktig nok uten en slik kobling. Vi har i vårt alternative forslag til gjeldende NTP en omfattende investeringsramme på jernbane. Vi har finansiell dekning for også å starte bygging av Ringeriksbanen. Blant flere hovedgrep Fremskrittspartiet gjør for å få fart på modernisering av jernbane i Norge, er de to viktigste organisering i statlig jernbaneforetak og finansieringsverktøy – infrastrukturfond og statlige lån – som gjør det mulig for et slikt foretak å bygge mye bygge fort. Dette er velkjente forslag fra Fremskrittspartiet, som vi har fremmet en rekke ganger også utenom selve NTP-rulleringen. Partier som sier de vil bygge, men som ikke har andre finansieringsverktøy og organiseringsverktøy enn de dagens regjering har, har rett og slett ikke troverdighet. Da blir det ingen bygging av Ringeriksbanen, men fortsatt venting på at gode hensikter og god omtale skal føre til moderne tog med kortere reisetid – om 50 år. Til oppstart av bygging av Ringeriksbanen har Fremskrittspartiet i alternativt statsbudsjett for 2013 satt av 200 mill. kr. Vi vil gjerne komme i gang med bygging før slutten av denne eller kanskje neste periode. Da skjer det noe. Nå er det på tide at noe skjer. Så har jeg lyst til å minne om at de to foregående samferdselsministrene har flørtet med tanken om prosjektfinansiering. Det eneste det er blitt etter at den flørten ble skutt ned av statsminister og finansminister, er egne poster på statsbudsjettet. Det gir ingen sikkerhet. Det er penger som må til, og de pengene vil Fremskrittspartiet bevilge for oppstart i 2013.

enn da jeg sto og ventet på toget på Ål stasjon for å reise til Oslo på 1970-tallet. Det var stor stas når lyntoget kom inn på stasjonen, for det var lyntoget vi kalte det på Ål. Det gikk jo fort mellom Oslo og Bergen. I dag tror jeg begrepet «lyntoget» er noe som gamle og pensjonister kanskje fortsatt bruker, av ren nostalgi, men det er veldig lite som minner om lyn når en ser toget komme nedover dalen.

og Oslo, som landets største by, vil få et betydelig press på boligområder. Nå bygges gradvis Ulrikstunnelen ut. Det er bra. Strekningen Bergen–Arna er viktig, men det er ganske langt igjen til Oslo når en har kommet til Arna. Ringeriksbanen vil forkorte distansen mellom Oslo og Hønefoss med en snau time. Ringeriksbanen vil forkorte distansen mellom Oslo og Hønefoss med en snau time. For oss som sitter på toget fra Drammen hver dag, øker ikke reisetiden, men fra Spikkestad og andre sidebaner øker reisetiden også nå fra 9. desember. Men fra Drammen til Oslo tar det en drøy halvtime. Det vil det også ta fra Hønefoss til Oslo med Ringeriksbanen. Det betyr at en vil kunne legge til rette for en kraftig både næringsutvikling og boligutvikling i Ringeriksregionen, en utvikling både statsråden, regjeringen og vi som utvikling både statsråden, regjeringen og vi som storting burde hilse velkommen, fordi vi vet at presset blir så stort på Oslo og Akershus, på nedre delen av Buskerud, der du har en god jernbane i dag til Drammen og Østfold, Vestfold. Det ble sagt om Vestfoldbanen at den var svært populær blant europeiske veterantogentusiaster. Nå har utviklingen der snudd. Det er en flott utvikling på gang, med intercitytriangelet. Den prioriteringsdebatten må vi naturligvis ta, men det viktigste må være å bygge seg ut av de store byene, bygge seg ut av hovedstaden og få et fungerende nett som gjør at du også får en fjernbane som er nærbane. Bergensbanen er i fjernstrekningen for både gods og personer, og den er i tillegg en betydelig turistbane, noe som ikke minst gikk fram av programmet NRK2 viste om Bergensbanen. Det viste at den var veldig populær. Internasjonale reisemagasiner kårer Bergensbanen, Flåmsbanen – «Norway in a nutshell» – til å være blant de vakreste jernbanestrekningene i verden. Jeg mener at synergieffekten vi at dette vil koste mye penger, men jeg er også sikker på at dersom det er vilje i Stortinget til å gå videre med Ringeriksbanen, vil vi ha svært mye igjen for det. vi ha svært mye igjen for det. Vi vil oppnå store effekter, og de trafikktallene som er lansert, tar utgangspunkt i dagens befolkning. Hvis en tenker seg at Ringerike, Hole og Jevnaker kan tilrettelegge for 20 000–30 000 innbyggere, vil reisetallene bli formidable på Ringeriksbanen. Så la oss komme i gang, og ikke legg dette prosjektet i en skuff nok en gang. på Ringeriksbanen. Så la oss komme i gang, og ikke legg dette prosjektet i en skuff nok en gang. Eg takkar interpellanten for ein viktig interpellasjon og ein viktig debatt. Eg syntest òg det var greitt med historia bak saka, som både statsråden og interpellanten var inne på, ikkje minst det at

At ein no kjekkar seg og klagar på at det er for lite pengar til toget, bør iallfall ikkje ta frå ein moglegheita for å hugsa si eiga historie. Det kan vera greitt. Så vil eg òg minna Framstegspartiet om at toget før var eit sosialistisk, kollektivistisk

det ikkje er slik at ein tar pengane frå IC. Det er nemleg sannsynlegvis slik at ein seier ja takk, begge delar, kjenner eg Høgre rett, iallfall i posisjon. Eg trur ikkje me veit kva Høgre meiner om dette før NTP er lagd fram, men då kan eg garantera deg, president, at ein absolutt ikkje er fornøgd med det som blir lagt fram. Det veit me, fordi me ikkje har gjort det som Høgre sa. Eg trur Halleraker, at du må klargjera om det er ein prosess på dette, eller om du faktisk har partiet bak deg når du flaggar den fana så høgt. Eg er veldig einig med mange i at jernbane er for å byggja landet. Det kan løysa mange av bustadproblema me har i sentrale strøk, enten det er i Stavanger, Oslo eller andre plassar, fordi det blir lettare å bu på når ein får ein mykje kortare og meir miljøvenleg reiseveg. Men det vil òg gjelda andre delar av landet, viss ein satsar på tog. For SV sin del vil eg seia at problemet i Noreg i dag – også med SV i regjering – er at me har ein jernbane som blir diskriminert, fordi han ikkje har ei finansiering som dei andre har. Me burde ikkje ha bygd motorvegen på det sentrale dyre motorveginvesteringar. Det er i alle fall det SV ønskjer seg i framtida. Men på grunn av at ein har den finansieringa ein har, rullar asfalten ut på motorvegar, mens jernbanen er avhengig av dei årlege budsjetta. Sånn kan det ikkje vera lenger. Dette må me få rydda opp i, og derfor er det gledeleg – synest eg – at alle regjeringspartia er inne på dette også eit vedtak frå sitt landsmøte om at ein ønskjer eit offentleg eigd prosjektutbyggingsselskap. Dette håpar eg me skal klara å få til noko på, i den prosessen me er inne i, når det gjeld behandlinga av NTP. Til slutt vil eg minna om at stortingsfleirtalet – alle partia unntatt Framstegspartiet – har vore veldig tydelege på at når ein skal byggja nytt,

Då er det ikkje mykje med 250 mrd. kr på ti år på jernbanen. Presidenten vil i all vennskapelighet minne om at all tale skal rettes til presidenten. Langeland skal prøva og følgja det i sitt vidare arbeid, men han har hatt problem med det før. Det registrerer presidenten. Jeg vil også takke representanten Halleraker for interpellasjonen og

innvia som en samferdselsrevolusjon for 103 år siden, og etter 15 års bygging åpnet Kong Haakon VII banen 27. november 1909, på Voss stasjon. Byggverket var ifølge kongen vår tids storverk og kostet mer enn ett statsbudsjett. Det var det linjer over. Nå går Bergensbanen stadig saktere, tross alle lovnader. Min senterpartikollega fra Hordaland, Kjersti Toppe, sa det slik i Bergens Tidende i en overskrift 19. november i år: «Det er grunn til å kritisere oss alle.» Det er noe jeg kan slutte meg helt til. Vi må erkjenne ansvaret, og vi må gå sammen, og diskusjonen her hittil, borger for at det nå er en annen tone over det hele. Vi står overfor en opprusting som gjør at en kan stole på at en kommer fram i tide, med folk og gods, og vi står overfor en forkorting. Fordelene er opplagte. Det er behov for et konkurransedyktig alternativ til fly. Det er behov for en bane som gjør at en kan arbeide på reisene. Det skal være positive opplevelser for dem som ønsker å se Norge, og det er et påtrengende behov for å styrke konkurranseevnen på godstransporten med bane,

fra Hønefoss til Bergen, har jeg sjøl erfart behovet for opprusting. Den gangen opplevdes store deler av banen som å kjøre i en grønn tunnel. Det hadde ikke engang vært penger til å holde vegetasjonen nede. Det var det containerne som sto for. Heldigvis er kjerrene og buskene nå hugget ned, og det er litt bedre sikt, men sikkerheten er langt fra god. Det trengs penger for å styrke stasjonene, verne mot snøstorm, krysningsspor og planoverganger, og de fleste ser vel planundergangen rett før Geilo, som har stått slik i lang tid, som et eksempel på manglende prioritering av banen. Spørsmålet om forkorting av Bergensbanen er – som flere har sagt – ikke nytt. Allerede i 1890 ble det foreslått, fra Buskerudsida, en direkterute fra Hønefoss til Oslo. På grunn av den tidas teknologi ble ikke det valgt i 1898, og vi fikk Roa-traseen. Jeg vil være tydelig på at det Buskerud Senterparti arbeider for, er at vi må gjøre ferdig planleggingen av forkortelse av Bergensbanen, det som kalles Ringeriksbanen, i første NTP-periode, altså i perioden 2014–2018. Så må vi få gjort byggingen i den påfølgende perioden, i 2019–2023. Det er vårt klare mål, og med den oppslutningen som er her nå, og med den lange historien som saken har, ser jeg realistiske muligheter for det. Finansieringa av banen må skje på samme måten som intercityfinansieringa, slik at vi får helheten i jernbaneutbygginga på disse sentrale strekningene. Til slutt: Jeg håper at vi nå kan gå sammen, slik at det som her nå blir sagt, kan bli realiteter, og at vi kan få engasjement for den helhetlige bygginga, noe som er helt nødvendig.

som veks så sterkt og så mykje, relativt sett, som Oslo gjer. Køproblema i Oslo er blant dei mest krevjande i heile Europa. Oslo er nummer tre på lista over byar med store køproblem – uavhengig av storleik – i Europa. Det viser at skal me kunne løyse det, vil jernbanen vere ein viktig del av løysinga. På same måte vil nettopp utbygging av Ringeriksbanen bety veldig mykje for Bergensbanen. Redusert reisetid vil kunne gjere den enda meir attraktiv. Det var ikkje utan grunn at då høgfartsutgreiinga kom i vinter, var det ei prioritering dei var veldig tydelege på, og det var Bergensbanen, og det var nettopp utbygginga Derfor synest eg at det er problematisk, når me har kjent til både engasjementet og ønsket om å få denne saka på dagsordenen, at me då veit at me har hatt eit KVU-arbeid, ei konseptvalutgreiing, som ikkje har halde den kvaliteten som ei slik utbygging treng, og departementet har kjent til dette og visst om dette og ikkje gjort noko. Ein har altså brukt seks–sju år, og ein har visst at dette arbeidet ikkje er godt nok. Eg vil seie at det ikkje er haldbart at ikkje departementet har gripe fatt i at me har hatt ein KVU som ikkje har heldt den nødvendige standarden. Eg la òg merke til at statsråden sa at ho hadde sett det som ein fordel, det var vel slik ho ordla seg, og for å seie det

at politisk skylddeling er eit eigna ord rundt dette. Eg er for så vidt einig i det. Det me no må vise, er politisk vilje. Eg fyller 40 år i morgon, så eg prøver å sjå i litt lengre perspektiv enn eg normalt pleier. Det eg ser, er at på 1970- og 1980-talet var det knapt investeringar i norsk jernbane. Så kom det da investeringar

tilfelle presidenten ikke ser representanten i morgen, får hun gratulere i forkant! Mye er sagt allerede i denne interpellasjonsdebatten. Jeg ønsker ikke å bruke mitt innlegg på selektiv historiebeskrivelse, men å se fremover. Men jeg må si at jeg ble litt overrasket over akkurat representanten Hallgeir Langeland, som ønsker å komme inn på historien – et SV som ble rundlurt av Arbeiderpartiet i sin tid: Det ble tunnel på Opseth, men ikke Ringeriksbane på SV. Jeg vil også takke interpellanten, Halleraker, for å sette fokus på nettopp Ringeriksbanen, men som det har vært sagt av flere, skulle denne vært bygget for 20 år siden. Ringeriksbanen er etter min mening på mange måter et Kinderegg: Den vil, som mange har sagt, forkorte reisetiden på Bergensbanen med en time, som også representanten Øyvind Halleraker skriver i sin interpellasjon. Den vil utvikle det siste nærområdet til hovedstaden som har hatt liten eller ingen tilflytting de seneste årene. Og den vil avlaste tilflyttingen til Asker og Bærum og ikke minst prisgaloppen på Paradokset er at Ringeriksregionen med byen Hønefoss venter på nye innbyggere, mens Oslo, Asker og Bærum diskuterer markagrensen, nedbygging av dyrket jord og fortetting, i tillegg til stadig høyere boligpriser, som gjør det vanskelig for unge å etablere seg i den regionen som bl.a. jeg bor i. Ringeriksregionen er faktisk den eneste regionen rundt Oslo som ikke har betydelig vekst i folketallet. Dette betyr også at regionen kan lokke med halve boligpriser av det som er tilfellet i Oslo, Asker og Bærum. Årsaken til denne situasjonen er først og fremst det som oppfattes som – og er – for dårlige samferdselsløsninger, som gjør at reisen til hovedstaden tar unødvendig lang tid. Hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går gjennom Ringerike og holder langt fra

Det er som sagt 20 år siden stortingsvedtaket om bygging av Ringeriksbanen ble fattet, men så langt har ikke én meter med ny skinnegang blitt bygget. Noe av bakgrunnen er, som også flere har sagt, selvfølgelig manglende prioritering i NTP. Venstre ønsker at Ringeriksbanen etableres som en fjerde arm på intercityprosjektet, med alternativ finansiering og organisering. Dette har Venstre foreslått i Stortinget, dessverre uten å få tilslutning så langt. Det er fra veldig mange talere og fra interpellanten, representanten Halleraker, gitt svært mange gode argumenter for bygging av Ringeriksbanen. Det er kjente argumenter som denne salen har behandlet i mange år. Dette er, som det blir sagt fra flere hold her, en av de sakene som det har vært stor nasjonal enighet om at det var nødvendig å få realisert. Argumentene fra Buskerud-siden, for å si det sånn, om Ringeriksbanens betydning for Buskerud-regionen, dvs. Ringeriksregionen, er også godt dokumentert. Jeg slutter meg til alt som er sagt, og sier at det vil bli helt nødvendig, slik som representanten Helleland var inne på, å løse ut Ringeriksregionen som en del av Oslo-regionen. Det vil Det vil tvinge seg fram på et eller annet vis på grunn av befolkningsutvikling, men også på grunn av den økonomiske utviklingen. Det vil være bra for Ringerike, det vil være bra for Ringeriksregionen, og det vil være bra for Oslo at så skjer. Bare på det grunnlaget er det all mulig grunn til å sette strek under betydningen av Ringeriksbanen. Det er en selvstendig og en god begrunnelse for alt som er sagt. Men det er neppe bare det som er saken. Som flere av mine kolleger her allerede har vært inne på, handler dette om et større perspektiv. Det handler om Bergensbanen. Og Bergensbanen handler om jernbanen mellom øst og vest i Norge, mellom de to største byene, mellom de økonomiske kraftsentrene i Norge: Vestlandet og Østlandet. Det som er perspektivet i det, er at Stortinget når vi snakker om jernbanedrift, vanskelig kan se rundt dette: Skal vi ha et Framtids-Norge uten en effektiv jernbane i de mest sentrale delene av landet vårt? Det er egentlig saken, slik jeg ser det. For på samme måte som vi kan snakke om at Ringerike ligger skyggen, snakker vi om Bergens behov helt opp til Voss. Disse tingene er det helt nødvendig å se i den store sammenhengen. Nå står vi altså i den situasjonen at til tross for at vi vedtar i denne sal at dette skal gjøres, er det ikke gjort. Da kan man, som det er sagt, sikkert dele ansvaret på mange. Det får nå være så. Men nå har vi også vedtatt dette intercitysamarbeidet. Det som sies i hvert fall – litt forsiktig, riktignok, men allikevel sånn at det er til å høre – fra noen av representantene også i denne interpellasjonsdebatten, er at vi skal putte Ringeriksbanen inn i det. Det er en måte å tenke på, og det vil bli nødvendig, synes jeg, at regjeringen når den kommer med transportplanen, har en mening om det er realistisk. Jeg setter spørsmålstegn ved det. Jeg tror egentlig ikke det går, for man har bundet seg til gjennomføringen av intercity slik det er, uten Ringeriksbanen. Det er det som er det politiske vedtaket. Og da er vi nødt til å stille oss spørsmålet: Hvordan skal vi da klare å realisere Ringeriksbanen. Det er det som er det politiske vedtaket. Og da er vi nødt til å stille oss spørsmålet: Hvordan skal vi da klare å realisere Ringeriksbanen/Bergensbanen? Det er det som er nerven i dette spørsmålet, det er det som er saken, og da vil jeg si at det selvfølgelig vil være nødvendig å respektere det som statsråden sier. Det er ingen her som ikke behøver å gjøre det, med unntak av Fremskrittspartiet. Vi må respektere de økonomiske Men jeg vil likevel si, når statsråden sitter og følger nøye med, at hvis vi ikke skal si til hverandre at Ringeriksbanen ikke blir realisert på de neste 25 årene – hvis vi ikke skal si det – må vi ha en mening om hvordan vi skal komme i gang. Og da mener jeg at det som ligger som kjernen i denne interpellasjonen, og denne debatten, er at regjeringen gjennom denne diskusjonen må få en veldig tydelig og klar beskjed: det gjelder NTP, må de ha en konkret mening om hvordan de skal realisere Ringeriksbanen, hvordan de skal realisere Bergensbanen, og hvordan den skal finansieres. Hvis ikke må vi manne oss opp til å ha en mening om at det ikke går de nærmeste årene. Det er det som er situasjonen rundt denne banen. Først kan jeg jo begynne å lure på om representanten

Jeg er veldig enig i at Ringeriksbanen er viktig. Det å få bygd ut Ringeriksbanen handler om regionforstørrelse, det handler om at Ringerike/Hønefoss kan bli en del av Stor-Oslo med de positive tingene det medfører, og ikke minst innkorting i reisetid. Det er kjempeviktig. Jeg har ikke vært i lokomotivet på Bergensbanen, som representanten Lundteigen har, men jeg har vært bak i sovekupeen på et tog fra Bergen til Oslo. Oslo. Det er en opplevelse jeg helst ikke vil ha igjen, for der ble det ikke mye søvn. Det viser i hvert fall definitivt at Lundteigen og jeg er enige om at man trenger å gjøre noe med banelegemet. Han har kanskje sett litt mer på det, mens jeg har kjent litt mer på hvor dårlig det er å ligge bak i en sovekupé. Og til representanten Rommetveit, som trodde at det kanskje var flott på Ringerike: Det er veldig flott på Ringerike, Det er veldig flott på Ringerike, men stort sett har jeg kjørt bil dit, fordi det er såpass mye kjappere enn å ta toget. Derfor er vi vel enige om at den interpellasjonen som representanten Halleraker har tatt opp i dag, er viktig, og det er viktig å gjøre noe med Ringeriksbanen. Men jeg blir bekymret når jeg hører at representanten Halleraker visstnok skal ha uttalt til bl.a. Hallingdølen at han vil ta deler av dette ved å redusere på utbyggingen av intercitytriangelet, som det er bred politisk enighet om. Så det kan bli spennende å høre om Høyre nå går bort fra løftene om en rask utbygging av intercitytriangelet også. Det må kunne gå an å ha flere tanker i hodet på en gang, og når statsråden er så opptatt av de finansielle rammene man har til rådighet, at man må passe på, er jo det litt spesielt. Vi har altså en regjering som aldri har hatt mer penger, og som er veldig glad i å skryte av at vi aldri har brukt mer penger enn det denne regjeringen gjør. Men handlingsrommet har jo aldri vært bedre enn det er nå, med muligheter til å gjøre grep. Vi har altså 4 000 mrd. kr på bok snart – 4 000 milliarder oljepenger som står i aksjer i utenlandske handlegater eller andre utenlandske aksjer, så vi har kanskje mer fornuftige ting å bruke deler av overskuddet som vi hvert år tar inn, på. Vi mener i hvert fall at det er fornuftig å bruke noe av dette overskuddet på oljeinntektene og faktisk flytte det over fra olje til skinner og vei, til andre viktige ting i samfunnet. Infrastruktur er lønnsomt. Det er veldig, veldig lite annet som er mer lønnsomt enn det å investere i infrastruktur. Og da Fremskrittspartiet lagde sitt alternative forslag til Nasjonal transportplan, var vi opptatt av at vi skulle bygge vei, men – som representanten Langeland også burde ha fått med seg – vi gjorde også masse når det gjaldt jernbane, nettopp fordi den rikdommen vi nå har, har gitt oss nye muligheter med andre finansieringsverktøy, andre organisatoriske verktøy, som gjør at vi kan bygge ut både vei og jernbane. Vi er nødt til å ha begge tanker i hodet samtidig. Jeg syntes det var interessant at representanten Langeland sa at det er fullt mulig å bruke mer penger. Han vil gjerne bruke 25 mrd. kr mer i året på jernbane. Spørsmålet blir om han skal få det til inne i denne salen, eller om han skal fortsette å stå på utsiden og demonstrere for å få noen av disse 25 milliardene for å bygge ut jernbane i Norge. Men jeg er veldig glad for at interpellanten har tatt opp denne interpellasjonen. Jeg mener at det er viktig å få bygd ut Ringeriksbanen, og det mener også Fremskrittspartiet. Derfor foreslår vi at det faktisk fordi det er et viktig jernbaneprosjekt og et viktig samfunnsprosjekt. Det handler også om å regionforstørre mer, og at man også får med Ringeriksregionen inn som en del av Stor-Oslo – og for å møte befolkningsveksten er vi helt avhengige av det. I tillegg er dette altså en viktig bane mellom Bergen og Oslo. For Bergens del er det viktig å få på plass en løsning til Voss, og det er viktig å få helheten i dette. Det er det det handler om. synes jeg at det er trist at man bare har sagt at det Jernbaneverket har gjort, er ikke godt nok: Vi begynner på ny. Men nå har jo samferdselsministeren lovet at man i NTP også skal ha med Ringeriksbanen, så jeg er spent på å se hva som kommer når NTP-forslaget fra regjeringen blir lagt fram i februar neste år. Bergensbanen treng opprusting. Forkorting av Bergensbanen må bli eit prioritert prosjekt i NTP. Det betyr at Ringeriksbanen må realiserast, og Vossebanen – eller intercity Bergen–Voss, som vi pleier kalla det – må moderniserast i same satsinga, og gjennomførast i løpet av neste NTP-periode. Dette vil vera Hadeland Senterparti sine krav inn mot NTP. Etter at det no blei kjent at reisetida mellom Oslo og Bergen ville auka med ein halvtime, har reaksjonane vore sterke. Realiteten er at vi for 30 år sidan køyrde Bergen–Oslo ein halvtime fortare enn i dag. For 103 år sidan var Bergensbanen ein jernbanerevolusjon. No går det stadig saktare. Vossebanen, som er ei veldig viktig slit med dårlege togsett, og ein får av og til assosiasjonar til svart-kvitt-filmar frå 1960-talet når vi sit i dei og veit at vi ikkje kan snakka i telefonen – det må vi gjera før vi reiser heimanfrå. Eg føler at det no er stor vilje til å kjempa fram ei styrking og forkorting av Bergensbanen på Vestlandet. Jernbanesatsinga i Noreg kan ikkje berre gå føre seg på intercitystrekningar i Oslo-området, også langdistansetoga må få sin del av pakken. Stadig fleire står opp for geografisk rettferdig fordeling av jernbanemidlane. Forum Nye Bergensbanen har foreslått at intercitysatsinga må komma etter at Bergensbanen er utbetra og Ringeriksbanen er bygd. Høgres Øyvind Halleraker 19. november at Høgre går inn for å halvera intercitysatsinga til fordel for Ringeriksbanen. Det positive med dette er at alle er med og snakkar opp Bergensbanen. Dette vil uansett styrkja prosjektet inn mot NTP. Ringeriksbanen vil forkorta reisetida mellom Bergen og Oslo med ein time. Forkorting av Bergensbanen er òg viktig når det gjeld godstrafikk og reiseliv, men forkorting av Bergensbanen er jo òg viktig fordi det då kan bli eit meir reelt alternativ til fly med omsyn til persontrafikken. Ein times forkorting vil bety at reisetida vil komma ned mot 4 timar. Dersom ein samtidig innfører like få stopp på reisa som i lyntogplanlegginga, vil reisetida kunne komma ned til 3 timar og 40 minutt. Då meiner eg at ingen kan seia at Bergensbanen ikkje vil bli eit reelt alternativ til fly. Eg meiner at det svekkjer argumenta for ei stor satsing på lyntog mellom

Eg snakkar litt av erfaring. Eg trur eg må ha eit mykje betre sovehjarte enn Bård Hoksrud. Eg har altså sove to av dei tre siste nettene i denne veka på Bergensbanen, og eg sov utruleg godt. Eg tar det som eit teikn på at eg har stor tru på at vi vil bli samla politisk for ei forkorting av Bergensbanen – vi er ferdige med

samtidig. Innenfor det tiårsperspektivet som neste NTP skal omhandle, vil vi antakelig ha mer enn nok med å realisere det som Jernbaneverket og NSB definerer som det indre intercitytriangelet. De sier jo også – og det er interessant – at de får tilnærmet full uttelling for intercityideen ved å realisere det indre triangelet først. Det har også Høyre hele tiden sagt. Vi har sagt at vi vil satse på intercitytriangelet og jernbanestrekningene inn til de store byene først. Det sa vi også da vi gikk inn for å bygge høyhastighetstog i Norge: Vi må først bygge intercitystrekningene rundt Oslo. Dette er et ledd i akkurat det samme. Men vi har aldri sagt – og det er der misforståelsen ligger – at vi ikke skal gjøre noe annet. Ringeriksbanen, Kongsvingerbanen, Meråkerbanen, Trønderbanen – mange banestrekninger i Norge vil selvfølgelig ha aktualitet framover i Trønderbanen – mange banestrekninger i Norge vil selvfølgelig ha aktualitet framover i den NTP-perioden som vi går inn i. Vi fra Høyres side skal bygge intercitytriangelet, la det være sagt. Men vi skal gjøre det på en måte som gjør det realistisk å bygge i alle fall det indre innenfor den perioden som vi nå går inn i. Det skal vi greie.

låneformer. Kanskje kan vi også tenke oss – som vi har snakket om når det gjelder veisiden – en garantiordning, dvs. ordninger som var velkjente da vi bygde ut OSL, altså Gardermoen. La meg avslutte, før statsråden får sine avsluttende kommentarer, med nok en gang å utfordre henne på at både dette prosjektet og både dette prosjektet og andre store prosjekter som vi forhåpentligvis skal samle oss om i behandlingen av NTP, trenger nye organisasjonsmodeller og – jeg vil legge til – nye finansieringsmodeller. Det har vi forventninger om at statsråden kommer med. Jeg vil også takke interpellanten for en interessant debatt. Jeg skjønner av innleggene at det er

Så har det vært en del argumentasjon knyttet til både Ringeriksbanen som sådan og jernbanesatsing som sådan. Jeg kjenner meg vel ikke helt igjen i Sorteviks litt mørke måte å tegne situasjonen på når det gjelder jernbaneinvesteringene. Det er mye å ta igjen når det gjelder jernbanen, men denne regjeringen har faktisk tredoblet investeringene, samtidig som vi har satset stort på drift og vedlikehold. Det er prosjekter for 20 mrd. kr som nå er satt i gang rundt Oslo-området. Og det er som nå er satt i gang rundt Oslo-området. Og det er ikke småprosjekter, det er ganske store satsinger som er på gang. Vi holder framdriften på dem, fullt ut. Flere av innleggene illustrerer også ganske godt hvilke krevende prioriteringer vi kommer til å stå overfor, for prioriteringer må gjøres.

at byproblematikk og transportspørsmål knyttet til by også kommer til å måtte løses i byer som ikke har tilgang til jernbane. Det er også en del av de overordnede prioriteringene i Nasjonal transportplan, som vi må komme tilbake til. Jeg har lyst til å understreke én ting. Det var ikke kvaliteten på KVU som var for dårlig, men muligheten til å få en god nok KS1 er begrenset av at en har tatt trasévalget. Da kan en ikke, faglig sett, sammenligne traseer på den måten en vanligvis gjør i en KS1-prosess. Her er det altså ikke ulike traseer å sammenligne. Jeg tror nok Hoksrud må ha misforstått, for Ringeriksbanen vil på vanlig måte bli vurdert og prioritert opp mot andre prosjekter i NTP 2014–2023. Det er ingenting som forsinker det

Stortinget skal votere over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Tord Lien på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslag nr. 2, fra Svein Harberg på vegne av Høyre og Venstre Det voteres først over forslag nr. 2, fra Høyre og Venstre.

Møtet er hevet.